da er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

arbeidsdelingen mellom kommunenivå og statsnivå i Norge. Vi skal altså ha en gjennomgang av reglene som gir staten særgrunnlag for å føre tilsyn med kommunene. En slik gjennomgang ba Stortinget om at regjeringen skulle foreta da man i denne sal i 2006 vedtok et nytt kapittel 10 A hvor man satte inn en ny hovedbestemmelse for tilsyn. Lovteknisk var det et fornuftig grep, for med en slik fellesbestemmelse knyttet til saksbehandling, klageadgang, sanksjonsmulighet osv. får man en praksis som er mer ensartet og dermed også mer forutsigelig for brukerne av loven. Et viktig prinsipp for tilsynet er at det skal baseres på kommuneloven § 60b, dvs. at tilsyn først og fremst skal gå ut på å følge med i om kommunene, eventuelt fylkeskommunene, holder seg innenfor rammen av norsk lov, det man også kaller lovlighetskontrollen. Heretter vil jeg bruke kommune som fellesbegrep for fylkeskommune og kommune. Ideen er at når bare kommunene har en rimelig lojal forståelse av lovbestemmelsene som gir dem myndighet til å treffe beslutninger, kan de utøve et lokalt skjønn og gjennomføre lokale prioriteringer. Statlig tilsyn er en del av styringen av kommunesektoren, men den må altså ta utgangspunkt i at kommunene er selvstendige rettssubjekter og underlagt et eget folkevalgt nivå. Rammestyring, ikke detaljstyring, må prege forholdet mellom stat og kommune hvis vi for alvor skal si at vi har lokalt selvstyre. Tilsynsordninger kan derfor ikke være en nødbremse for statlige eller sentrale myndigheter til å overprøve lokale skjønn. Da får man holde seg til rammene for lovbestemmelsene. Etter denne fornuftige lovendringen i 2006 gjensto det altså 14 særlover med egne tilsynsbestemmelser som Stortinget ville ha en gjennomgang av. Det er dette som ligger i Meld. St. 7. Det gjelder bestemmelsene i f.eks. lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, kommunehelsetjenesteloven, introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere, barnevernloven, den nye loven om krisesentertilbud, havne- og farvannsloven – som akkurat har trådt i kraft – brann- og eksplosjonsvernloven, lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og sivilforsvaret, forurensningsloven, barnehageloven og – i noen grad – opplæringsloven. Det enkelte sektordepartement har gjennomgått og vurdert sine særlover, og arbeidet har vært koordinert av Kommunal- og regionaldepartementet. Man har benyttet en ROS-analyse. For innvidde er det en risiko- og sårbarhetsanalyse. En slik risiko- og sårbarhetsanalyse skal avdekke hvilke områder det er grunn til å vie særlig oppmerksomhet, og hvor det er nødvendig å sette inn tiltak som kan minske sårbarhet og risiko. Deretter gjenstår det å vurdere hvilke virkemidler som er mest hensiktsmessige. Valg av virkemiddel beror på en vurdering av hvor effektivt de fremmer formålet for aktiviteten og den totale kostnad for virksomheten. En viktig eksersis er å forestille seg hva som ville skjedd hvis det ikke hadde vært gjennomført tilsyn på de aktuelle områdene. I tillegg til lovgrunnlaget, som jo kan sies å være er det et poeng å forestille seg det samlede risikobildet ved virksomheten ute i kommunene i all sin hverdagslighet. Det er også et moment hvorvidt tilsynet, som i sin natur er en etterkontroll, passer inn og sammen med andre kvalitetsstyringssystemer, eller andre supplerende kontrolltiltak på området. Rent praktisk kan også omfanget og prioriteringen av tilsyn fra fylkesmannens side justeres i forhold til om kommunen selv har utviklet former for egentilsyn og etterkontroll. Ved behandlingen av kommuneloven § 60d i sin tid ble det gitt hjemmel for at de ulike tilsyn kunne pålegge kommunene å rette forhold som var i strid med loven, men man valgte å avstå fra andre negative sanksjoner som f.eks. tvangsmulkt. Komiteen ønsker ikke å endre dette prinsippet i kommuneloven, men det kan foreligge forhold hvor det fortsatt ligger strengere sanksjonsmuligheter, og bør gjøre det, i særlovene. Det bør bemerkes at reglene om pålegg jo bygger på en forutsetning om at kommunene følger opp disse, og retter forholdet. Dette følger av at pålegg ikke skal kunne gis ved andre tilfeller enn lovbrudd, at kommunene selv ønsker å opptre lovlydig og få justert sin opptreden i samsvar med loven. Ved gjennomgangen av særlovshjemlene har man oppnådd å avgrense statlig tilsyn til områder hvor tilsyn er nødvendig og hensiktsmessig, og I meldingen redegjøres det detaljert for de endringene i form av konkrete tilpasninger og endringer i særlovgivningen for å få dem til å harmonere bedre med kommuneloven kapittel 10 A. Det er lagt til grunn at særlovenes tilsynsbestemmelser skilles ut fra andre bestemmelser om fordeling av myndighet, oppgaver og annen veiledning. Sekkebestemmelser av typen «departementet fører tilsyn med denne lov» unngås. Man vil sterkere understreke hvilket område man konkret skal ha tilsynet rettet inn mot. En henvisning fra særlovene til kommunelovens tilsynsbestemmelser er også en egnet måte å understreke at kapitlets generelle bestemmelser også gjelder her. Det er rett og slett god lovgivningsteknikk. Det vil også i særlovene fremgå at kommuneloven, som gir staten tilsyn med kommunene, kun skal rettes mot en kommune i egenskap av å være kommune, de såkalte kommunepliktene. Og da er det begrenset til lovlighetskontroll og adskilt fra de områdene hvor kommunen opptrer som aktør, dvs. i forvaltningsrettslig forstand det å være en privat part. Det er også verdt å merke seg at det fra Kommunaldepartementets side er lagt opp til en tilbakeholdenhet når det gjelder å utforme tilsynsbestemmelsene som en pliktregel, men heller som en kompetanseregel. Det vil si at fylkesmennene gis større spillerom til å rette tilsynet mot den mer krevende og risikobetonte delen av kommunal virksomhet. Komiteens medlemmer vil sikkert supplere fremstillingen på vegne av sine partier. Men jeg vil som saksordfører understreke at komiteen i det vesentlige er samlet i sitt syn på meldingen. Komiteen bekrefter prinsippet fra Ot.prp. nr. 97 for 2005–2006, som ledet frem til den generelle tilsynsbestemmelsen i kommuneloven, og som følger samme grense mellom det domstolene kan overprøve av forvaltningsvedtak, og det man må respektere det er truffet beslutning om lokalt. Etter dette prinsippet skal ikke tilsynet ha kompetanse til å tilsidesette forvaltningens skjønn, bortsett fra når det foreligger myndighetsmisbruk, dvs. usaklig forskjellsbehandling, utenforliggende hensyn, åpenbart urimelig I valget mellom de to foreslåtte standardformuleringer i senere særlover har komiteen samlet seg om at man ønsker at det skal skrives inn i den aktuelle lovbestemmelse at tilsynet kun dreier seg om lovlighetstilsyn, nettopp for å skape en best mulig klarhet for brukerne av loven. Når det gjelder én vesentlig problemstilling, har komiteen delt seg i et flertall og et mindretall. Under høringen reiste KS spørsmål om behovet for en uavhengig tvisteordningsløsning for tvister som kan oppstå mellom stat og kommune. Problemstillingen er aktuell ved statlig tilsyn, men er slett ikke begrenset til dette. Flertallet avviser ikke at dette kan være en problemstilling som er interessant å forfølge, men ønsker ikke noe vedtak om dette i dag, og viser til at saken kan tas opp av KS overfor staten på På vegne av mindretallet vil jeg utdype problemstillingen uavhengig tvisteløsningsorgan mellom stat og kommune. Det foreligger nemlig en rapport om tvisteløsningsordninger mellom stat og kommune utarbeidet bl.a. av professor Smith, som sier at Norge ikke har oppfylt sine konvensjonelle plikter til å etablere et uavhengig tvisteløsningsorgan. Norge har underskrevet Europarådkonvensjonen, som i artikkel 11 i charteret

har stor tillit til både våre kommuner og fylkeskommuner her i landet, men vi vet samtidig at det kan oppstå misforståelser. Det kan skje feil i prioriteringer i vanskelige situasjoner, og det kan være mangel på kompetanse som gjør at de tjenestene den enkelte kommune tilbyr, ikke holder den standarden nasjonale myndigheter mener at de skal ha. I det rommet spiller det statlige tilsynet med kommunenes virksomhet en viktig rolle. Det gir muligheten for å kunne korrigere og veilede, og, der det er nødvendig, gi pålegg om utbedringer slik at kommunens innbyggere får det tjenestenivået de skal ha. Det er likevel viktig å understreke at ulike statlige fagmyndigheters vurderinger og synspunkter helt og holdent ikke kan tilsidesette kommunens lange erfaring og kompetanse til å avveie prioriteringer mellom ulike samfunnsinteresser og finne Det er jo nettopp derfor vi fra statlig hold overlater til kommunene å løse disse oppgavene. Da må vi også kunne leve med at forskjellige kommuner løser oppgavene på litt forskjellige måter ut fra sine forutsetninger og innenfor det rommet som de nasjonale interesser gir. Ifølge NOU 2004:17, Statlig tilsyn med kommunesektoren, er det fire hensyn og verdier som bør inngå i en overordnet vurdering av behovet for statlig tilsyn. Det er hensynet til den enkeltes rettssikkerhet. Det er hensynet til en bærekraftig utvikling og samfunnssikkerhet. Det er hensynet til det kommunale folkestyret, og ikke minst er det hensynet til en formålseffektiv offentlig ressursbruk.

måten det er gjort på, ikke er optimal, og at effekten av tilsynet er begrenset. Flertallet i komiteen viser i denne sammenheng til Innst. O. nr. 19 for 2006–2007, hvor kommunal- og forvaltningskomiteen ba regjeringen om å foreta en samlet gjennomgang av tilsynsordningen overfor kommunal sektor og vurdere på hvilke områder tilsyn er nødvendig og hensiktsmessig. Flertallet i komiteen er fornøyd med at dette nå har ført til en opprydning, slik at særlovene har fått eller vil få en mer harmonisert og likeartet utforming. Det går klart fram at det statlige tilsynet skal være lovlighetskontroll i samsvar med de prosessregler som kommuneloven kapittel 10 A har. At statlig tilsyn kun skal kontrollere lovligheten av kommunenes virksomhet, er et uttrykk for rammestyringsprinsippet. Det er viktig at staten ikke går unødig inn og innskrenker det rommet for lokalt skjønn og lokale vurderinger som lovgiver har gitt. Det er de lokale folkevalgte som har myndigheten og ansvaret for utformingen av kvaliteten på de tjenestene som befolkningen skal ha, Så er det grunnlag for å peke på at fylkesmannen er kanskje den mest sentrale delen av den statlige forvaltningen når det gjelder å utøve tilsyn med kommunene. Fylkesmennene rundt omkring i landet kjenner kommunene i sitt fylke godt. Etter flertallets oppfatning bør derfor også fylkesmannen gis stor frihet til selv å avgjøre når og hvor det er viktig å gjennomføre tilsyn. Det er kanskje sånn at kommuner som har kanskje trenger en litt annen oppfølging enn kommuner hvor det er mangel på ressurser og kompetanse til å drive egenkontroll. I det videre arbeidet med forarbeidet til endringer i særlovshjemlene vil det være viktig at kommunesktoren får gitt uttrykk for sine synspunkter, og at den kommer til orde. Kommunen er som sagt den viktigste velferdsprodusenten vi har, og sektorens erfaringer og kompetanse på området må tas på alvor. For å sikre bl.a. dette er det grunnlag for igjen å peke på de fordelene en samlet proposisjon med endringer etter særlovshjemlene kan ha i den videre behandlingen. Fra flertallets side imøteser vi det videre arbeidet med å sikre et enda bedre lovgrunnlag for å utøve et hensiktsmessig tilsyn med kommunenes viktige arbeid. No er

om. Slik Framstegspartiet ser det, er denne meldinga eit godt utgangspunkt og gir eit betre grunnlag for at ein kan få ei effektiv og god ressursutnytting. Det er i alle fall det vi håper at denne stortingsmeldinga skal botne ut i. I Noreg har vi stort sett høg kvalitet i forvaltninga. Vi har god Vi har god rettstryggleik. Vi har lite korrupsjon. Vi har lite kameraderi, og vi har også lite usakleg forskjellsbehandling rundt omkring i kommunane. Men når eg seier at det er lite av desse tre tilhøva, er det ikkje slik at dei ikkje eksisterer i det heile. Derfor er det sjølvsagt viktig at vi held

kontrollørar. Vi må også vere observante på den veksten som vi har hatt i statleg byråkrati og også starten på ein begynnande hollandsk sjuke i Noreg. Derfor er dette sjølvsagt ein viktig balansegang mellom både å halde ein god kontroll og ha eit godt tilsyn, samtidig som vi held byråkratiet nede på eit lågast mogleg nivå. Framstegspartiet har også i ein merknad vist til nokre område der statleg tilsyn er viktigare enn på andre område. Eit av dei områda som vi har peikt på, er barnevernet. Det er eit område der vi ikkje har råd til å Konsekvensane ved å feile i barnevernssaker er dramatiske. Derfor er det viktig at vi har eit godt tilsyn og ein god kontroll med den sektoren. Her er altså kontrollen og tilsynet ekstra viktig. Vi har også ei utfordring. Noreg er jo eit lite land. Vi er under 5 millionar Det er altså under halvparten av talet på innbyggjarar som lever i Stor-London by. Trass i at vi er eit lite land, har vi tre forvaltingsnivå. Vi har staten, 19 fylkeskommunar og 430 kommunar. Det skaper sjølvsagt ei utfordring med omsyn til lokal forvalting og sjølvsagt også med omsyn til tilsynet. Desse 430 kommunane har veldig ulik størrelse. Oslo er som kjent den største, med 586 000 innbyggjarar. Utsira er den minste. Etter dei siste tala eg såg, er det 218 innbyggjarar på Utsira. Det er klart at då er det ulike føresetnader for Oslo på den eine sida og Utsira på den andre. Dei kommunane som er store, men likevel mindre enn Oslo, og dei kommunane som er store, men likevel mindre enn Oslo, og dei kommunane som er små, sjølv om dei er litt større enn Utsira, er det store forskjellar på når det gjeld dei utfordringane ein står overfor. Kontrollutfordringane blir veldig ulike. Ein stor kommune kan leggje til rette for ein eigenkontroll, noko som ein liten kommune ikkje kan. I mange små kommunar

f.eks. ca. 100 kommunar i Noreg, og alle hadde hatt ein størrelse på ca. 10 000 og oppover. Då kunne vi brukt mindre byråkrati, og vi kunne dermed hatt fleire ressursar tilgjengeleg, som kunne gått til tenesteyting av grunnleggjande velferdstenester. No er ikkje dette ein debatt om kommunestruktur. Eg har for lengst innsett at med ein kommunalminister frå Senterpartiet at med ein kommunalminister frå Senterpartiet og med mange godt betalte ordførarar rundt omkring i dei 430 kommunane, også frå Senterpartiet, er det lite håp om at det skjer noko dramatisk og vesentleg med kommunestrukturen dei neste åra. Som dei to førre talarane har vore inne på, er det brei semje på dei fleste områda og det er ein samla komité som står for mesteparten av merknadene. Vi har også nokre gode merknader saman med våre vener frå Høgre og Kristeleg Folkeparti, pluss eit mindretalsforslag frå desse tre partia, som Michael Tetzschner, ordførar for saka, har vore inne på, og eg vil ikkje bruke meir tid på det. Vi legg altså til grunn at dette er eit skritt i riktig retning, og at denne meldinga vil leggje til rette for ei meir effektiv, meir føreseieleg og betre tilsynsverksemd i tida som kjem. Det er viktig, både for å sikre rettstryggleiken og for å avgrense veksten i byråkratiet, slik at auka overføringar til kommunane framover kan brukast til

og over til det saken handler om, nemlig den gjennomgangen som departementet nå har gjort på bakgrunn av den jobben som Stortinget gjorde i forbindelse med odelstingsbehandlingen av lovverket til kommuneloven. Det siste punktet i sammendraget i innledningen i innstillingen oppsummerer vel hvor landet ligger, nemlig: «Sektordepartementene har med bakgrunn i en risiko- og sårbarhetsanalyse konkludert med at det er behov for alle eksisterende tilsynshjemler, og at de derfor bør opprettholdes.» Samtidig sies det at stortingsmeldingen har slått fast at det er blitt mer og mer statlig tilsyn med kommunene. Det er noe av det dilemmaet vi står oppe i. Vi har på den ene side et veldig klart ønske om at kommunene skal ha stor frihet til å finne ut hvordan de skal gjennomføre oppgavene overfor innbyggerne sine. Vi har fra vår regjerings side stadig bidratt til det gjennom å styrke økonomien og å ha mindre og mindre øremerking av tilskudd. På den andre side er det klart slått fast at vi ønsker et sterkt statlig tilsyn på de områdene der vi mener at det er viktig. Saksordføreren trakk fram dette på en god måte. Det handler om enkeltmenneskers rettssikkerhet på den ene siden og på den andre siden det som er av samfunnsmessig stor betydning. Representanten fra Fremskrittspartiet var i sitt innlegg inne på – og det er fryktelig viktig – at vi ikke skal være et land av

var i sitt innlegg inne på – og det er fryktelig viktig – at vi ikke skal være et land av kontrollører. På den annen side ramset han opp alle de områdene hvor Fremskrittspartiet mener det er ekstremt viktig å føre et sterkt statlig tilsyn. Litt av det som er problemet og utfordringen i dette er selvfølgelig at dagens tilsynsregime tilsynsregime på en måte er summen av det alle regjeringspartiene pluss Fremskrittspartiet, måtte synes er store, viktige, nasjonale samfunnsmessige oppgaver. Der står vi i dag. Vi har et ønske om at mest mulig skal legges på lokalt nivå, fordi det viktige er at beslutningene forankres der. Samtidig har alle partier sine områder der man mener at akkurat der er det behov for et sterkt statlig tilsyn for å ivareta samfunnets interesser. Så ligger vi der vi ligger i dag i forhold til statlig tilsyn, og sier oss fornøyd med det. Jeg vil bare kommentere at det er fremmet et forslag, som er et helt ålreit forslag, fra opposisjonen. Frenskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti står samlet om forslaget der de ønsker at regjeringen skal meddele til Stortinget hvordan den vurderer rettstillingen på det som går på lokalt selvstyre, og det som Det mener regjeringen er gjort på en ordentlig måte, i forskjellige sammenhenger, og rapportene om det er offentlig tilgjengelige. Så mener vi fra regjeringspartienes side at det er fornuftig at diskusjonen og dialogen videre om dette skjer mellom Kommunaldepartementet på vegne av regjeringen på den ene siden og KS på den andre siden. Så vil jeg si helt til slutt:

Jeg er enig med kommunalministeren som sier at det lett kan bli snakk om et skinndemokrati i kommunene hvis det blir for mye detaljstyring. Da blir det ikke rom for lokale prioriteringer. Det er viktig at vi som styrer nasjonalt, har tillit til våre kommunalpolitikere, til det kommunale forvaltningsnivået – de sitter nærmere folket der de bor, og vet bedre hvor skoen trykker. Kommunalministeren uttalte i samme artikkel at rikspolitikerne i større grad burde overlate til det lokale demokratiet å vurdere hva som passer innbyggerne best, og at det må diskuteres hvordan samhandlingen mellom staten og kommunen bør fungere i praksis. Det er relevant for saken vi diskuterer i dag, men også på et mye bredere plan. For eksempel var det et viktig poeng da det ble gjort et forsøk på å få til en regionsreform, og også da det ble gjort et forsøk på å få på plass en samhandlingsreform. Dessverre må jeg nok konstatere at viljen til å overføre makt til våre lokale og regionale folkevalgte kommer sterkere til uttrykk i ord enn gjennom handling fra denne regjering. Begge de nevnte sakene er eksempler på det. I opposisjonens fellesmerknader til denne saken sier vi bl.a. at gjennomgangen av særlovshjemlene «etterlater et inntrykk av at departementene har liten tiltro til kommunenes evne eller vilje til å følge lov og forskrift av eget tiltak, enda kommunene har lang erfaring i å veie samfunnsinteresser opp mot hverandre og finne tverrsektorielle løsninger. Og det er heller ikke tatt utgangspunkt i at også kommunene har et overordnet mål om å yte gode tjenester til innbyggerne.» Videre sier vi: «Kommunal- og regionaldepartementet ser i liten grad ser i liten grad ut til på selvstendig grunnlag å ha avveid de statlige sektorinteressene, og yter dermed heller ikke noe bidrag til å lette det samlede påleggstrykket på kommunene. Ikke på noe punkt har man vurdert den kommunale etterlevelsen som høy nok, eller nytten av statlig tilsyn som liten i forhold til fordelene, slik at statlig tilsyn er frafalt. Disse medlemmer imøteser at det senere vil bli tatt initiativ til forenkling eller bortfall av lovpålagte oppgaver som det ikke lenger er behov for.» Hvis kommunalministeren er riktig sitert i Dagsavisen, vil hun nå se nærmere på maktforholdet mellom staten og kommunene og ta initiativ til en egen stortingsmelding om saken. Jeg håper at også disse elementene kan være og bli en del av denne meldingen. Utenom det er det sagt at det stort sett er bred politisk enighet i innstillingen fra kommunal- og forvaltningskomiteen om gjennomgang av særlovshjemler for statlig tilsyn med kommunene. Saksordføreren har gjort rede for opposisjonens syn når det gjelder tvisteløsningsorgan. Jeg slutter meg til dette.

og mange departement har vore med på dette saman med Kommunal- og regionaldepartementet, som har samordna meldinga. Bakgrunnen for både meldinga og særlovsgjennomgangen er at me har hatt eit fragmentarisk og Det har vore ulik bruk av tilsynsomgrepet. Det har vore manglande samordning av tilsynet med kommunane, som sjølvsagt dermed òg har opplevd tilsynet som fragmentarisk. Dette vart det gjort greie for i NOU 2004:17, Statlig tilsyn med kommunesektoren. Så heile føremålet med denne meldinga er å få ei opprydding for å få oversikt, samanheng og heilskap på tilsynsfeltet. Lovfestinga av kapittel 10 A i kommunelova for tre år sidan var det fyrste steget i oppryddingsarbeidet. Det gav reglar for korleis fylkesmannen sitt tilsyn med kommunane skal gjennomførast. Og ei generell samordningsfullmakt i § 60e er eit viktig verktøy for å kunne samordne all statleg tilsynsverksemd overfor kommunane. Særlovsgjennomgangen har vore neste steg i arbeidet. Eg meiner at meldinga viser at me har fått til ein heil del. Me har fått rydda i forholdet mellom dei generelle reglane i kommunelova kapittel 10 A og i tilsynsheimlane i dei enkelte særlovene. Me har fått ei betre harmonisering i utforminga av tilsynsheimlane i særlovene. Alle tilsynsheimlane er, eller vil verte, skilde ut som eigne lovreglar. I kvar heimel skal det gå klart fram kva for lovplikter det skal kunne førast tilsyn med, og at tilsynet med kommunane er eit lovlegskapstilsyn og dermed òg skilt tydeleg frå rettleiingsbiten. Det skal òg gå fram at tilsynet skal utøvast i samsvar med sakshandsamingsreglane i kommunelova kapittel 10 A. Det er gjennomført risiko- og sårbarheitsanalyse og kost- og nytteanalyse for alle eksisterande tilsynsheimlar i særlovene. Men kanskje enda viktigare: Det er lagt til grunn i meldinga at det ikkje skal innførast tilsyn på nye område i framtida utan at det har vore vurdert som naudsynt og føremålstenleg gjennom ei grundig risiko- og sårbarheitsanalyse og kost- og nytteanalyse. Eg meiner òg at harmoniseringa av særlova til dei alminnelege reglane i kommunelova bidreg til å tydeleggjere fylkesmannen si viktige samordningsrolle. Eg håpar verkeleg at dette skal gi ei betre oversikt for kommunane og tilsynsetatane, og det har vore viktige grep for å rydde på tilsynsfeltet. I desember 2009 vart det i regi av Kommunal- og regionaldepartementet lagt fram ein rapport med 85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane. Eg meiner det er viktig i tida framover at me får ei betre kopling mellom det statlege tilsynet og den kommunale eigenkontrollen. Der det er god eigenkontroll, bør det vere mindre behov for statleg tilsyn. Og her kjem igjen fylkesmannen sitt samordningsansvar etter kommunelova inn. Departementet jobbar no med å sjå på korleis vi best følgjer opp Så er det slik at statleg tilsyn med kommunane reiser viktige spørsmål om forholdet mellom nasjonal styring og lokalt sjølvstyre. Eg er oppteken av at kommunane skal ha lokal handlefridom. Eg er oppteken av at det skal vere tillit frå både nasjonale styresmakter og innbyggjarar til kommunane og den jobben dei gjer som produsentar av sentrale velferdstenester. Dei breitt arbeid – vel 70 pst. av velferdstenestene vert ytte i kommunane. Dei fleste er vel nøgde med den jobben som vert gjord. Det er et breitt spekter av oppgåver, det skal vere rettstryggleik for alle, og eg veit at kommunane er særdeles opptekne av sjølve å yte best moglege tenester. Det har vore ein auke i omfanget av det statlege tilsynet med kommunane dei siste åra. Ei kartlegging som Direktoratet for forvalting og IKT har gjort på oppdrag frå departementet, viser at den statlege styringa har auka. Dette må diskuterast i ein breiare kontekst. Det er difor eg har varsla ei stortingsmelding neste år om dette korleis forholdet mellom stat og kommune skal utviklast på ein best mogleg måte, til beste for innbyggjarane. Det blir åpnet for replikkordskifte. No blir det sagt frå kommunalministeren at det er

Utsira 218 innbyggjarar, Modalen 360 innbyggjarar. Det seier seg sjølv at dei små kommunane har heilt andre utfordringar enn dei store kommunane har. Mitt spørsmål er om kommunalministeren kunne ta ein refleksjon omkring dette, korleis dette også gir seg utslag i ulikt tilsyn med dei små kommunane kontra dei store kommunane. Korleis vil ein leggje opp tilsynet for å ta høgd for at det er ulik størrelse på kommunane, og at mange av dei små kommunane har veldig dårleg kompetanse, både innanfor jus og på mange andre område?

for eg trur nok at i mange mindre kommunar er det langt meir oversiktleg for ein fylkesmann – han kan ha rimeleg god kontroll på kva som skjer – enn det er i mange større organisasjonar, som dermed òg har eit mykje breiare byråkrati og kanskje ein meir kompleks organisasjon å føre tilsyn med. Når det er sagt, veit eg at fylkesmenn jobbar på ulikt vis overfor ulike kommunar, både når det gjeld rettleiing, og når det gjeld tilsyn. Det er jo nettopp slik me ynskjer det skal vere. Fylkesmannen skal bruke samordningsrolla si både til å vere ein god rettleiar og til å yte godt tilsyn ut frå dei lokale forholda som gjeld, enten det er ein liten kommune som Utsira eller det er ein stor bykommune. Det er mange venner av det kommunale selvstyret her i dag, og det er fint. Problemet er jo ikke dager som dette, men hverdagen, hvor de statlige sektorinteressene maler litt i stykker ut fra ideelle behov som de har – jeg ønsker statsråden lykke til med nettopp å samordne og tøyle de statlige sektorinteressene. Da oppstår det ofte uenighet, og det forslaget vi har fremlagt, går jo ut på at man ser på det mer formelle i forhold til Europarådskonvensjonen, om vi har oppfylt det vi der har skrevet under på, nemlig å utstyre med et remedium for en uavhengig tvisteløsning mellom stat og kommune. Men jeg tenke meg å spørre statsråden om ikke dette hadde vært en god idé uansett, uansett hva den formelle gjennomgangen måtte gi. Selv om regjeringen har sitt på det tørre, og vi kanskje har oppfylt dette – det får vi komme tilbake til – står det oss fritt å gjennomføre det hvis vi finner det hensiktsmessig. Så mitt spørsmål er da: Finner ikke statsråden dette som en meget hensiktsmessig måte å løse konflikter på mellom stat og kommune?

ei grunnleggjande endring i forholdet mellom stat og kommune. Skal me gjere det, må me ha ei grundig utgreiing, tenkjer eg, både av stats- og forvaltingsmessig art. Det har me ikkje hatt per i dag. Eg har difor heller ikkje teke endelig stilling til om dette kan vere ei god ordning. Eg har heller ikkje sett det som aktuelt å setje det i gang, så langt. Viss KS vel å ta dette opp gjennom konsultasjonsordninga – som kanskje er den naturlege plassen å drøfte dette breiare på – skal eg i så fall gjere ei vurdering av det. Eg har ikkje sett det som føremålstenleg per i dag.

Men – som òg representanten Tetzschner veit – vert det slik at dess nærmare me kjem vårt eige område, dess meir opptekne er me av å styre på akkurat det området. Så eg trur at det viktigaste me kan ta tak i framover, er å prøve å få enda meir samordning og heilskap inn i forholdet mellom stat og kommune, slik at sektorinteressene ikkje blir så styrande som dei har vakse

brukt i moderat utstrekning. Det fungerer derimot ikke godt dersom kommunene bombarderes av tilsyn på ulike hold. Det er en balanse mellom lokalt selvstyre og statlig tilsyn. Tilsyn skal sikre at alle landets innbyggere får forsvarlige tjenester, og at lovverket følges likt opp. Tidligere kommunalkomité har bedt regjeringen om å foreta en gjennomgang av tilsynsordningen overfor kommunal sektor og vurdere på hvilket område tilsyn er nødvendig og hensiktsmessig. Dette er bakgrunnen for den gjennomgang som gjøres nå, og den har bidratt til et betydelig Arbeiderpartiets medlemmer i kommunal- og forvaltningskomiteen har stor tiltro til at kommunene kan, gjennom sin lange erfaring med å avveie ulike sektorinteresser opp mot hverandre, finne gode løsninger på tvers av de ulike sektorene. Målsettingen til norske kommuner er å tilby gode tjenester til sine innbyggere. Dette er et mål som alle norske kommuner jobber etter. Departementet har i sin utforming av regelverket gjort det statlige tilsynet mer målrettet og effektivt, og vil på den måten gi det større tydelighet og forutsigbarhet for kommunene. Det er en fornuftig og nødvendig tilpasning. Videre har departementet uttalt at man i særlovene bør vise tilbakeholdenhet med å utforme tilsynsbestemmelsene som pliktregler som skal følges,

at ein ikkje får til kommunesamanslåingar i Noreg dersom det ikkje blir lagt til rette for det frå sentralt hald. Det må leggjast til rette for kommunesamanslåingar både frå regjering og frå storting for at vi skal få det til i noko særleg omfang. Slik finansieringsordninga – inntektssystemet – er i dag, vil kommunar tape på å slå seg saman.

overfor landets kommunar på den eine sida, samtidig som vi passar på at byråkratiet ikkje blir for stort, og at ein ikkje gjer det for komplisert å produsere velferdstenester i kommunane. Derfor ønskjer Framstegspartiet ideelt sett at ein får eit nytt finansieringssystem der ein skal ha ei behovsstyrt statleg finansiering av grunnleggjande velferdstenester i kommunane. Det gjer at den enkelte innbyggjar blir sikra uavhengig av om ein bur i ein rik kommune eller om ein bur i ein fattig kommune. Vi trur at dersom ein hadde fått eit slikt finansieringssystem på plass, ville det gjort tilsynsutfordringane mindre. Det er For det første var grunnen til at jeg tok opp fremskrittspartiordførernes manglende iver etter kommunesammenslåing nettopp at Gjermund Hagesæter selv sa at det var senterpartiordførere som først og fremst var opptatt av å ta vare på sin egen stilling og sin egen lønn. Men jeg har ennå til gode å se en fremskrittspartiordfører som står i spissen for kommunesammenslåing, enten det er Os eller det er Austevoll i Gjermund Hagesæters eget fylke. Derimot har jeg sett SV-ordføreren i Skjerstad, som sto i spissen for kommunesammenslåing med Bodø kommune og gjennomførte det – en vellykket kommunesammenslåing. Jeg har også sett ordføreren fra statsrådens parti i en annen tidligere hordalandskommune, nemlig Ølen kommune, stå i spissen for en vellykket kommunesammenslåing med Vindafjord kommune. Så hvis Fremskrittspartiet er så opptatt av kommunesammenslåing, kunne de kanskje

Vi står nettopp for demokrati som alternativ til tilsyn. At det er lokale folkevalgte som – hva skal jeg si – står i spissen for å utforme innbyggernes velferdstjenester innenfor eldreomsorg og skole rundt omkring i hele landet, gjør at man hele tiden får slåss for sin egen skole og sin egen eldreomsorg i sin egen kommune, og at de kan gå til lokalpolitikere som vil sørge for at dette tilbudet er godt. Hvis man hadde fått Fremskrittspartiets opplegg der private tilbydere skulle drive med dette, og man visste at for hver eneste krone i ekstra utbytte som denne bedriften ville få, ville de tjene disse pengene ved å kutte i tilbudet til de eldre, hadde det ført til et enormt behov for økt tilsyn fra statlig hold for å sikre at folk rundt omkring på disse privatiserte sykehjemmene og privatiserte skolene hadde fått det tilbudet som de hadde krav på. Så Fremskrittspartiets opplegg er oppskriften på større urettferdighet og mer statlig byråkrati. Vårt system er et opplegg for demokrati og folkestyre. Jeg har mest sansen for det siste.

Når det gjeld stykkpris, som han kallar det, som eg likar å kalle behovsstyrt statleg finansiering for grunnleggjande velferdstenester, er det noko som òg skapar valfridom for den enkelte innbyggjaren. Og valfridom og konkurranse stimulerer til det beste i oss og gjer at vi er nøydde til å levere gode tenester for å få betalt. Dette ville betydd større likskap og betre velferdstenester. Når det gjeld kommunesamanslåinga, er dette noko som blir diskutert flittig både på fylkesårsmøtet og på landsmøtet i Framstegspartiet, men det er openbert at dersom ein skal få fart på dette, òg i framstegspartistyrte kommunar, må ein tene på å slå seg saman, ikkje tape, slik tilfellet er i

Representanten Hagesæter sa sjølv i tidlegare replikkveksling at det er stor ulikskap mellom kommunar – nokre store og nokre små, nokre sentrale og nokre meir rurale, med spreidd busetnad. Det er ulik geografi, det er ulike utfordringar næringsmessig, det er ulik befolkningssamansetjing osv. Det vil me òg kunne diskutere i dagane som kjem – iallfall den siste biten – men det er viktig at vi skil mellom kva som skal vere likt, og kva som skal vere likeverdig. Det er to vesentlege ord i debatten i tida framover. Utvida rettstenking og meir privatisering vil utvikle meir byråkrati, vil utvikle meir behov for tilsyn, vil vere eit steg i ei anna retning enn det det norske velferdssamfunnet har gått i, med demokrati, og det å kunne ha rom òg for ulikskapar, men likevel likeverd – og definert lokalt. Når det gjeld kommunesamanslåing, er det usikkert om det vil bidra til likeverdet – om det vert noko større. Men éin ting er i alle fall sikkert – fire av fem av kommunesamanslåingane som har vore gjorde, har hatt Senterpartiet som pådrivar. Den eine kommunesamanslåinga som det no vert arbeidd med, i alle fall som har kome inn til meg, er

penger. Hvis Fremskrittspartiet ikke skjønner at det vil bety at en haug med mennesker vil få et dårligere tilbud, har ikke Fremskrittspartiet skjønt hvordan verden fungerer. Fremskrittspartiet var med på én stor reform den tiden de var med og hadde innflytelse og makt, nemlig privatskolereformen.

betydning. Da blir det ikke sånn at hvis man ikke er i stand til å ta vare på seg selv, skal man likevel være den som har ansvar for eventuelt å finne en omsorgsplass. Selvsagt vil Fremskrittspartiets politikk være sånn at man får valgfriheten. Hvis man på tross av sykdom har kapasitet til å ta valg, vil man kunne ta valget selv, eller familien kan ta valget i samråd med eller på vegne av

sørge for at man får en omsorgsplass, sånn som man gjør i dag. Det er en tjeneste kommunene gir allerede i dag, men i mange kommuner får man ikke den valgmuligheten som Fremskrittspartiet ønsker å ivareta. Jeg synes ikke man skal gjøre dette til en debatt der familien ikke lenger skal kunne bety noe, eller der vi sier at det kun skal være enten–eller. I vårt samfunn skal det være rom for både–og. Det viktige her er at valgfriheten ligger i bunn. For dem som ikke er i stand til å ta valgene selv, og som ikke har familie til å ta valgene for seg, vil det kommunale byråkratiet trå inn, slik det gjør i dag. Jeg ser ikke problemet. Det er en teoretisk virkelighet representanten Holmås drar opp her, og det fordummer egentlig bare debatten. Flere har ikke bedt om ordet til sak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

hvilken vekt INON med eventuelle kategorier skal ha i forhold til andre samfunnshensyn og på hvilken måte forvaltningen skal tillegge INON relevans og vekt ved avgjørelse av enkeltsaker». Det er tydeleg at det er eit stort engasjement rundt i landet om denne saka. Det synest òg som om det er mange uklarleikar og misforståingar knytte til INON-omgrepet – kva det er, kva rolle det skal ha i arealforvaltninga,

Derfor, og med tilvising til dette, foreslår fleirtalet – Arbeidarpartiet, SV og Senterpartiet – at forslaget vi behandlar, blir lagt ved protokollen, og vi ser fram til at vi snart får ei sak om inngrepsfrie naturområde. Dermed vil ein snart få høve til å behandle dette temaet, der vi får ei sak frå regjeringa, slik at vi har eit godt grunnlag for diskusjonar og Det skulle derfor ikkje vere grunn for ein omfattande debatt om INON no. Det får vi da kome attende til. Eg oppfattar da heller ikkje nokon ueinigheit om akkurat det, sjølv om Høgre, Framstegspartiet og Kristeleg Folkeparti finn å ta opp representantforslaget i innstillinga. Sjølv om desse tre partia står i hop om dette forslaget i innstillinga, merkar eg meg likevel ei noko ulik tilnærming frå desse tre partia. Høgre og Framstegspartiet er klare på at ein gjennomgang av sakskomplekset «må resultere i at begrepet «inngrepsfrie naturområde» vert avvikla som kriterium i arealforvaltninga, herunder grunnlag for innsigingar mot kommunale og eventuelt berre vert nytta som ein statistisk indikator ved gjennomgang av miljøtilstanden». Kristeleg Folkeparti derimot understrekar at dei «ikke ønsker noen generell utvanning av INON-begrepet». Så det ligg altså an til noko sprik i synet mellom dei borgarlege partia når vi får ei ny behandling av denne saka. Eg har ofte reflektert over altså ca. 15 innbyggjarar per km2. Landet er nesten like stort som Japan, som har 127 millionar innbyggjarar. Det blir altså 336 innbyggjarar per km2. Ein skulle kanskje tru at vi hadde nok plass, og at det ikkje skulle vere grunn til arealkonfliktar, men det ser vi svært ofte – utbyggingsinteresser mot natur, miljø, kulturvern, dyrka mark osv. Det er derfor greitt at ein samrøystes komité no uttrykkjer i innstillinga at «det er viktig å ta omsyn til dei ulike miljøverdiane som t.d. område for naturmangfald, friluftsområde m.m., når utbyggingsplanar blir vurdert. Dette er eit omsyn som må balanserast i høve til andre omsyn

avveging. Ein gong iblant kan det vere grunn til å minne om at det òg er lov å bruke sunn fornuft eller noko som heiter sunt folkevett. Det er i alle fall mi erfaring frå den tida eg var lokalpolitikar. Det ligg no føre ein rapport frå Statens landbruksforvaltning og Direktoratet for naturforvaltning om skogsvegbygging og omsynet til INON. Eg har så vidt skumma gjennom rapporten, og han gir faktisk ein grunn til optimisme. Når desse to instansane stort sett kan bli stort sett kan bli einige, i alle fall einige om konklusjonen, burde det gi eit grunnlag for at vi òg kan få ein sakleg gjennomgang av INON og kome fram til gode løysingar når saka kjem attende til Stortinget. Med erfaring og kunnskap om omgrepet INON brukt i offentleg forvaltning over tid er det faktisk på høg tid at

hardt. Dagens INON-praktisering inneber ei betydeleg avgrensing av næringsutøving og vil etter kvart kunne gi store, negative nærings- og sysselsetjingsmessige konsekvensar for utmarkskommunar der ein har få eller kanskje ingen alternativ. Det er derfor viktig at innhaldet i omgrepet speglar av eit reelt innhald. INON, såkalla inngrepsfrie naturområde, er slett ikkje inngrepsfrie. Det ser vi. vi. Apropos inngrep: Vi har merka oss senterpartileiar Navarsetes invitasjon i 2009 til ein såkalla MOTMAKT-kampanje, som eit eigna perspektiv for ein debatt om desse spørsmåla. Men atter ein gong ser vi at dette partiet – Senterpartiet altså – verbalt står fram med éi haldning, men i praksis har ei heilt anna. Så utsegna «Mål meg ikkje på burde definitivt vere viktig i den samanhengen. Då ein igjen, i 2008, omdefinerte INON og tok inn område med attgrodde traktor- og skogsbilvegar som såkalla inngrepsfrie, bidrog også det til redusert legitimitet ALLSKOGs forslag om unntak for skogsbil- og traktorvegar i definisjonen kan ein ha stor sympati for. Det sikrar i større grad næringsutøving for grunneigarar, men vatnar ytterlegare ut forståinga av omgrepet. Då har eg faktisk større sans for forslaget om å fjerne heile INON-omgrepet, på bakgrunn av at omtrent alle produktive areal inntil nyleg har blitt

Det er avgjerande for at folk skal ha respekt for dei lovene og det regelverket som regulerer natur og miljøvern. Høgre har bak seg eit inspirerande landsmøte, der privat eigedomsrett var ei viktig sak. Partileiar Erna Solbergs oppslag i Aftenposten 6. mai er klar tale. Høgre ønskjer større makt til lokal forvaltning i folkevalde organ. Ho uttalar bl.a.: «Ingen statlig byråkrat skal kunne overprøve

på same tid som ho lanserte MOTMAKT- kampanjen sin. Sidan den tid har den mektige partileiaren, kommunalministeren og medlemen av regjeringas underutval reist land og strand rundt for så å seie å servere Oslo-folk sitt hovud på eit fat. Paradoksalt nok gjev nettopp MOTMAKT-kampanjen eit veleigna perspektiv på ein debatt om maktspørsmåla i arealpolitikken. Dette er ein debatt vi i Høgre ikkje blant dei statsbyråkratane Liv Signe Navarsete så hånleg ønskjer å ta makt frå. INON-saka og kampen mot dette omgrepet hadde vore eit fornuftig MOTMAKT-initiativ. Vi i Høgre er meir opptekne av at det no faktisk må skje noko når det gjeld kommunalt sjølvstyre og lokaldemokrati, enn både Senterpartiet og regjeringa. Det kjem klart fram i denne saka. Såkalla inngrepsfrie naturområde, INON, er område med fråver av nærare definerte tiltak, for eksempel vegar. Med landareal som blir rørt, meiner ein beltet på 1 km rundt tyngre tekniske inngrep, der det ikkje kan setjast i gang slike tiltak utan at grensa for inngrepsfrie område blir flytta. Cirka 70 pst. av landarealet er omfatta av ein slik berekningsmetode. På toppen av dette gjev definisjonen av INON fleire spørsmål enn svar. Ei sak vi kunne lese om i Nationen 21. november 2009, illustrerer dette godt. Ein veg vest for Femunden blir vurdert til å ha bygd ned natur på austsida. Etter det som blir opplyst, ser ein nesten ikkje vegen frå fjellet eller frå sjøen, og han gav det veglause folket på Femundshytta bilveg i 1999. Den 10 km lange vegen er rundt 5 meter brei frå grøft til grøft og byggjer ned 0,05 km2 natur, men det er registrert at han har medført at 72

det skal leggjast avgjerande vekt på ved forvaltningsavgjerder, blir dette annleis. For mange bygder har inngrepsfrie naturområde på mange måtar utvikla seg til ein effektiv flaskehals i høve til arealplanlegginga og den lokale utviklinga. Det er nettopp slik bruk av INON vi stadig får fleire rapportar om. I Nationen 18. november 2009 skriv Utmarkskommunenes Sammenslutning, USS, sine juridiske sekretærar:

Saksordførar Rudihagen seier i Nationen: «Vi må ta hensyn til dyrket mark, friluftsliv og naturmangfold, men vi skal også ha en aktiv skogsdrift i dette landet.» Då er det svært skuffande at ikkje desse partia sine representantar nyttar dette høve til å kome med klåre signal på om dei ønskjer at INON-omgrepet skal nyttast, og kva innhald det skal ha. Særleg å bruke denne saka som ein del av MOTMAKT-kampanjen sin. Det er liten tvil om at Høyres landsmøte, som representanten Lødemel var begeistret for, var en stor inspirasjon for mange. Ikke minst tror jeg det var en inspirasjon for de som ønsker at menn skal bruke mindre tid med sine barn, og de som ønsker økt overvåkning av enkeltmennesket. For småbarnsfamilier og Internett-brukere derimot tror jeg landsmøtet var dårlig nytt. For naturen er også Høyres politikk dårlig nytt, men her skal Høyre slippe å bære hele ansvaret. Over 1 000 km2 inngrepsfri natur har gått tapt fra 2003 til 2008. Det er en utvikling i feil retning og det største bortfallet av inngrepsfri natur siden 1994. Utbyggingspresset på inngrepsfri natur øker altså, og det er energisektoren som i det siste har stått for det største bortfallet. Det er en viktig inngang til denne debatten, for bak disse tallene ligger det store miljøverdier. Norge er unikt, og det er ikke mange europeiske land som kan vise til større inngrepsfrie områder. Det er en styrke for oss. Store sammenhengende naturområder er også viktig for at Å bevare disse områdene er spesielt avgjørende når vi vet at presset vil fortsette, og er i så måte en interessant parallell til diskusjonen om olje- og gassutbygging i Lofoten og Vesterålen, for menneskeskapte klimaendringer vil føre til endringer av artenes naturlige leveområder og føre til et større behov for spredningskorridorer. Utbygginger som i dag oppfattes som udramatiske, kan derfor vise seg å ha store konsekvenser i et lengre perspektiv. Vi må ta høyde for at naturen er i endring, og skape skiftende bevegelsesmønstre og leveområder for arter. Føre-var-prinsippet er viktig. At Stortinget har lagt vekt på dette, framgår av en rekke stortingsmeldinger som statsråden i Det er ingen grunn til å trekke ut debatten nærmere det parodiske ved å sette absolutte motsetninger mellom bruk og inngrep på den ene siden og bevaring av inngrepsfrie naturområder på den andre. INON inngår som en del av vurderingen av miljøkonsekvenser ved inngrep. Skillelinjene er ikke absolutte. Jeg tror likevel det er behov for mer debatt om INON-begrepet. Derfor er det positivt at Miljøverndepartementet og Landbruksdepartementet samarbeider om forholdet mellom bevaring av inngrepsfrie naturområder og skogsveibygging, som er et mye brukt eksempel i denne diskusjonen, og at statsråden varsler at han vil komme tilbake til Stortinget med en egen sak om ivaretakelse av inngrepsfrie naturområder. Jeg tror jeg stopper der.

eller område som er viktige for friluftsliv. Det er likevel ikkje slik at all den såkalla inngrepsfrie naturen har desse verdiane. På same måten kan viktige leveområde for artar, sjeldne naturtypar og verdifulle friluftsområde liggje utanfor det området som er definert som inngrepsfri natur. INON er meint å vere ein målestokk for å følgje utviklinga av naturbruken i Det var ikkje tiltenkt ei rolle i forvaltninga utover det. Til det har òg måleininga for store manglar. I Senterpartiet stiller vi spørsmål både ved korleis inngrepsfri natur blir definert, og korleis definisjonen blir praktisert. Saka vi debatterer i dag, har bakgrunn i at det i enkelte tilfelle har etablert seg ein praksis der forvaltninga kjem med innvendingar på planar eller nektar enkelttiltak med bakgrunn i den generelle målsetjinga Stortinget har sett om å ta vare på inngrepsfri natur. Ein brukar INON som målestokk. Senterpartiet meiner at ikkje berre manglar denne praksisen god nok juridisk forankring i lover og forskrifter basert på vedtak i denne salen, han vil også i verste fall kunne føre til at utbyggingspresset aukar på verdifulle naturområde, matjord og friluftsområde som ikkje har nokon INON-definisjon knytt til seg. For å starte med definisjonen: I dag er det slik at m.a. skogsbilvegar, traktorvegar og anleggs- og setervegar med lengde over 50 meter er inkluderte i definisjonen «tekniske inngrep». I Senterpartiet er vi glade for det samarbeidet som er mellom Miljøverndepartementet og Landbruksdepartementet for å avklare desse definisjonane nøyare. Innanfor definisjonen ligg òg kraftliner med spenning på 33 kV eller meir. Derimot er kraftliner med spenning under 33 kV ikkje inkluderte, sjølv om skilnaden knapt kan sjåast med

og som dermed blir eit av dei fem største naturinngrepa i Noreg, som opposisjonen brukar i denne saka, er eigentleg eit godt døme på kor feil det kan bli dersom ein skal leggje desse definisjonane til grunn og ha dei som Inngrepsfri natur vil etter INON altså omfatte store delar av det samla landarealet i Noreg. Vi har i alle fall ikkje frå Senterpartiet si side oppfatta det slik at det eksisterer nokon blankofullmakt til forvaltninga om å hindre inngrep i dette svære området berre basert på INON-målestokken. Det er òg viktig å hugse at inngrepsfrie naturområde ikkje må forvekslast med urørte naturområde. Omtrent alle produktive areal i Noreg har inntil nyleg vore intensivt utnytta til mange næringsføremål. Mange av områda som no er klassifiserte som inngrepsfrie, er t.d. kulturlandskap. Med andre ord: definisjonen slik han er i dag, blir opplevd som ulogisk mange stader. Når det gjeld korleis definisjonen blir praktisert, må vi sjå på kva konsekvensar han kan gje dersom han blir praktisert fullt ut. Til dømes vil 65 pst. av hogstmoden skog i Nord-Trøndelag stå innanfor INON-områda – utan skogsbilvegar. Med andre ord: hogging av skogen blir i beste fall vanskelegare og dyrare og i verste fall umogleg. Det må vere ein tankekross for både presidenten og andre. Det seier seg sjølv at dette ikkje hjelper oss å nå dei fornybarmåla vi har sett oss. I tillegg får det store konsekvensar for utøvinga av Nord-Trøndelags tredje største næring, nemleg skognæringa.

I tillegg er det naudsynt at forvaltninga skjer i tråd med ei klar politisk og juridisk forankring. Her er naturmangfaldslova og plan- og bygningslova våre beste verkemiddel. Så er det slik at både Høgre og Framstegspartiet har kritisert Senterpartiet for å ikkje følgje opp det ein seier ein ønskjer. Vel, i dette tilfellet er det slik at statsråden tydeleg har sagt at han vil kome tilbake til Stortinget med ei sak om dette. Såleis følgjer ein opp intensjonen i forslaget.

Folkeparti mener det er viktig å ta hensyn til ulike miljøverdier som f.eks. naturmangfold og friluftsliv når utbyggingsplaner blir vurdert. Disse hensynene må balanseres i forhold til andre hensyn som f.eks. skogsbilveier, som trengs for et aktivt skogbruk, eller hensyn til Folkeparti mener det er bra at det nå er et samarbeid mellom Miljøverndepartementet og Landbruks- og matdepartementet for å utgreie og vurdere hvordan en best kan balansere ulike hensyn innenfor dette feltet. For Kristelig Folkeparti er spørsmålet om privat eiendomsrett og lokalt selvstyre viktige prinsipper som det er viktig å verne om. For Kristelig Folkeparti er det også avgjørende at vedtak bør fattes på lavest mulig hensiktsmessig nivå og nærmest mulig dem som blir berørt. Spørsmålet om begrepet «inngrepsfrie naturområder», INON, reiser viktige problemstillinger i denne debatten. Dette bør derfor få en bredere behandling i Stortinget når vi får saken tilbake. Mange kommuner opplever innsigelser mot arealplaner utelukkende med henvisning til at området er INON. Jeg mener det er behov for å få en avklaring om dette er rettslig holdbart. I statsråd Erik Solheims svarbrev til komiteen, datert 15. mars 2010, vises det til en rekke politiske dokumenter fra ulike regjeringer, som viser til begrepet INON og omtaler verdien av disse. Felles for mye av omtalen er imidlertid at INON ikke er et mål i seg selv, men en indikator. INON har ikke vært til behandling som et politisk mål i seg selv. Brevet fra statsråden viser at «inngrepsfrie naturområder» likevel har spilt en stor rolle i mange lokale arealsaker. Kristelig Folkeparti mener det er viktig å ta vare på verdier knyttet til de inngrepsfrie områdene. Begrepet INON inneholder imidlertid upresise definisjoner og er å regne som ufullstendige. Med den definisjonen begrepet har i dag, vil en liten skogsbilvei redusere inngrepsfrie naturområder, mens et hyttefelt ikke gjør det. Kristelig Folkeparti ser derfor at det er behov for en klargjøring av begrepsbruken omkring inngrepsfrie naturområder. Vi mener det er behov for en gjennomgang av definisjonen og status for begrepet «inngrepsfrie naturområder» og Men fra Kristelig Folkepartis side vil jeg understreke at vi ikke ønsker at en slik gjennomgang skal føre til en generell utvanning av INON-begrepet, men at det rettslige grunnlaget skal avklares, og at en unngår vilkårlighet og sikrer en helhetlig praktisering. Derfor ser jeg fram til den saken som regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med på et senere tidspunkt. Jeg takker for at dette spørsmålet blir brakt opp i Stortinget, det er

Når det er sagt, vil jeg understreke betydningen – og det var heldigvis også Kristelig Folkeparti inne på – av disse områdene. Det er nemlig noe som er ganske unikt i Europa at vi har områder som fortsatt er uberørt av menneskelige inngrep. Jeg husker jeg ble veldig, veldig overrasket da jeg i min tid i samferdselskomiteen fikk se en plansje over hvilke områder i Norge som i 1900, 1970 og i dag var innenfor en radius på et par kilometer fra nærmeste inngrep. Det var svære områder, selvsagt, i 1900, fortsatt betydelige i 1970, og det er er nå skrumpet inn til nærmest ingenting i de siste årene. Så det er fortsatt noen sånne områder, og de er vel verdt å ta vare på, for det er ganske unikt i Europa. Det har også stor betydning i et klimaperspektiv hvor arter vil kunne måtte trekke seg tilbake, hvor arter vil forandre levevis. Det at det da finnes korridorer som er relativt uberørte, kan vise seg å ha stor betydning for artenes

Det det betyr, er at man skal være særlig vaktsom, at det så å si går en varselbjelle for å vurdere dette én gang til. Så blir det i en rekke tilfeller allikevel gitt tillatelse til tiltaket, selv om det vil kunne ha slik betydning. Jeg synes det er veldig viktig å merke seg at dette var noe som Bondevik-regjeringen omtalte på en positiv måte. Når jeg sier det, er det fordi vi nå ser hvordan Høyre på område etter område løper fra den miljøpolitikken som partiet sto for under Bondevik-regjeringen. Det må være til kredit for Kristelig Folkeparti at de hadde noe positiv innflytelse på Høyre da de var i et regjeringssamarbeid. Under Bondevik-regjeringen het det: «INON» – jeg prøver å unngå å bruke forkortelser, men altså inngrepsfrie områder – «skal fortsatt være et viktig verktøy for å sikre inngrepsfrie områder som er av betydning for blant annet friluftsliv og biologisk Nå er det nærmest umulig å høre et positivt ord om dette. Jeg leste med interesse intervjuet med Høyres leder i Aftenposten rett før helgen. Det er jo vanskelig å vite, fordi det er såpass uklart, om dette bare er uklare tanker som ikke har noen betydning. Hvis det er noenlunde klart tenkt, er det et gigantisk tilbakeskritt for miljøvernet i Norge i det som er et av Norges største og viktigste partier. Jeg er veldig urolig for det vi nå ser, for det spørsmålet som retorisk stilles her, er jo meningsløst, nemlig: Skal en anonym byråkrat i en eller annen statlig institusjon kunne overprøve kommunalpolitikerne? Svaret på det er et rungende nei. Selvsagt skal ingen anonym byråkrat kunne overprøve norske kommunalpolitikere. Men spørsmålet er: Skal Stortinget kunne fatte vedtak i vesentlige miljøpolitiske spørsmål som legger rammen for hva slags politikk det er mulig å føre kommunalt? Eller skal et hvilket som helst flertall i en hvilken som helst kommune få lov til å ødelegge naturen i sin kommune for kommende generasjoner og hindre allmennheten tilgang til områder, helt i strid med det som er stortingsflertallets oppfatning? Det er det reelle spørsmålet, og det trenger vi en grundig diskusjon om. Min oppfatning, for å si det veldig slagordmessig, er at Harald Hårfagre samlet Norge til ett rike. Det var en god ting. Vi hadde mørejarler, trønderjarler og mye annet i sin tid, men det var faktisk en positiv ting at Norge ble samlet til ett rike. Og Stortinget er det maktorganet som bestemmer hva slags miljøpolitikk vi skal ha i Norge. Det vi nå ser på område etter område, er at Høyre setter spørsmålstegn ved en miljøpolitikk som de stort sett har vært med på i Stortinget. Høyre var med på rovdyrforliket, men vi får ingen hyllest for det i Stortinget. Vi får bare kritiske spørsmål til det. Høyre var med på rovdyrforliket, men vi får ingen hyllest for det i Stortinget. Vi får bare kritiske spørsmål til det. Høyre har vært med på de inngrepsfrie områdene. Nå kommer det også opp som spørsmål. Høyre sier at de er for strandsonepolitikken, men det kommer bare kritiske spørsmål til det – og jeg kunne fortsette. Jeg er urolig over denne driften vi nå ser i Høyre mot Fremskrittspartiets miljøpolitikk. Det blir åpnet for replikkordskifte.

Når forventar statsråden, og når har statsråden tenkt, å kome tilbake igjen med den saka? Er det én ting jeg har lært meg i politikken, er det at å lage selvbestaltede frister, bare er politisk selvmål, for hver gang det går en uke eller fjorten dager utover den fristen, kommer vi til å høre at det er krangel i regjeringen, eller at regjeringen somler, eller at regjeringen ikke gjør jobben sin. Derfor vil jeg ikke lage noen selvbestaltet frist for nøyaktig når vi skal komme tilbake til Stortinget med det. Men la meg si: Min intensjon er at vi skal komme raskt tilbake til Stortinget med dette. Vi skal komme tilbake til Stortinget på en sånn måte at Stortinget får anledning til en ordentlig diskusjon om det. Hvis vi skulle somle, er jeg helt sikker på at både Fremskrittspartiet og Høyre kommer til å minne oss om saken behørig. Statsråden understreket i sitt innlegg at miljøpolitikken skal forankres i denne sal. Det er

Statsråden kunne ikke svare på det på sparket. Det har jeg forståelse for i en hektisk debatt. Det gjelder tross alt 70 pst. av landets areal, så jeg gjentar spørsmålet, statsråd: I hvilken norsk lov er INON forankret og hjemlet, og i hvilken paragraf i den loven står dette omtalt?
Jeg er glad for at representanten gjorde den samme erkjennelse som jeg gjorde, nemlig at jeg ikke var i stand til å svare på det i debatten da. Derfor har jeg selvfølgelig forberedt meg på det punktet nå. De inngrepsfrie naturområdene er forankret i plan- og bygningsloven, i skogbruksloven, i vannressursloven og i vassdragsreguleringsloven samt i naturmangfoldloven. Det er alle disse verktøyene som gir grunnlag for å håndtere de

Skogeierforbundet er veldig glad for en slik konklusjon. De sier gjennom sin administrerende direktør Kvaal: «Alternativet er å gjøre som Danmark. Der er det ingen tilskudd til skogsbilveier, men heller ingen søknadsplikt. Det er opp til skogeier å avgjøre om veien er lønnsom nok til å bygges.» Det sa Kvaal til Nationen i forrige uke. Er dette en modell som regjeringen vil vurdere når den nå går igjennom dette, eller er dette en modell som statsråden allerede nå kan si ikke er veien å gå? Jeg tror ikke jeg skal forskuttere utfallet av den debatten, også fordi det selvfølgelig ikke ligger under Miljøverndepartementet Men vi har en tett dialog med Landbruks- og matdepartementet om akkurat disse spørsmålene, om hvordan skogsbilveier skal håndteres i forhold til de inngrepsfrie naturområdene. Det er også en prosess på gang for å se på det som kan hevdes å være subsidiering av et tiltak som ikke har en positiv klimagevinst. Skogsbilveier vil selvfølgelig være ett av de mange temaene en vil se på i en slik sammenheng

utilfredshet over ikke bare denne delen av Høyres miljøpolitikk, men hele spekteret. Nå oppfattet jeg Senterpartiets representant i denne debatten som om han i det alt vesentlige var enig i det som ligger i forslaget. Derfor vil jeg spørre statsråden: Hvorfor lar han sin vrede gå ut over bare Høyre og ikke Senterpartiet også i denne saken?
Min uro dreier seg ikke om at Høyre får denne saken opp til bred belysning i Stortinget. Som jeg sa: Det setter jeg stor pris på. Vi skal komme tilbake og sørge for en skikkelig belysning av det. Det jeg er urolig over, er det intervjuet jeg så med Erna Solberg i Aftenposten før landsmøtet. Nå skal jeg innrømme at jeg har ikke i detalj sett på hvordan dette ble fulgt opp på landsmøtet, men jeg anser det som et bredt anlagt angrep på det man kan kalle nasjonal miljøpolitikk, på en serie helt avgjørende områder for miljøet har Stortinget satt rammene. Det er Stortinget som har vedtatt at vi ikke skal ha utbygging i strandsonen, ikke noen byråkrater. Det er Stortinget som har vedtatt rovdyrpolitikken, ikke noen byråkrater. Det er Stortinget som har vedtatt at vi skal ha en kjøpesenterpolitikk for å hindre at en kommune kan dra kunder ut av en nærliggende by eller et tettsted og ødelegge for det, ikke noen lokale byråkrater. Det samme gjelder Alt dette er helt avgjørende spørsmål. Hvis vi går vekk fra at Stortinget skal fatte grunnleggende vedtak for en miljøpolitikk i Norge, tror jeg det blir en veldig alvorlig miljøsituasjon. Derfor er jeg urolig over det Høyre nå snakker om. Det siste svaret er gjennomsyret av en veldig lite kritisk holdning til hvordan også et byråkrati utvikler seg. Men det var ikke poenget. Jeg synes statsråden i sitt innlegg er utrolig historieløs og viser en grunnleggende mistillit til lokal forvaltning som jeg synes det er grunn til å ta opp. Jeg tror han sa noe sånn som at enhver kommune må ikke kunne få lov til å ødelegge sine verdier. Det var i hvert fall det som kom inn i mine ører. Det vi stort sett snakker om ute i DistriktsNorge, er jo et kulturlandskap, et bygdesamfunn, som er utviklet ut fra grunnleggende, langsiktige tradisjoner med respekt for bærekraftig bruk. At en SV-statsråd da kan stå og snakke om lokal forvaltning med den grunnleggende mistilliten han her gjør, illustrerer nettopp forskjellen i tenkning mellom Høyre og SV. Jeg er veldig glad for at vi har så forskjellig tenkning. Så her kommer vi til å få mange debatter framover. La oss ikke gå til Distrikts-Norge, men la oss gå til Oslo. Tenk på hvor mange vanvittige utbygginger i Oslo som er blitt stoppet av riksantikvaren opp gjennom tidene, som på vegne av nasjonale mål altså har satt andre standarder for hva man skulle gjøre her i hovedstaden.

enkelte kommune. Det å se denne helheten i nasjonale miljøinteresser er Stortingets rolle. De åpenbart nå for Høyre forhatte institusjonene av typen riksantikvaren eller mange andre har bidratt til på en serie områder å hindre at veldig stor ødeleggelse av norsk natur og norsk

Dette er en viktig sak, det har debatten understreket. Og jeg merker meg at flertallet i sine merknader omtaler begrepet «inngrepsfrie naturområder» som et virkemiddel fordi det gir en statusoversikt. Imidlertid viser all erfaring at dette begrepet brukes til mye mer enn bare å gi en statusoversikt. Det brukes som begrunnelse for innsigelser til mange kommunale og lokale planer, som dermed begrenser det lokale selvstyre, og som begrenser lokal samfunnsutvikling. Fra Høyres side legger vi vekt på at i den norske tradisjonen tradisjonen med både norsk kulturlandskap og norsk utmark har forvaltningen vært basert på lokal kunnskap og varsom, hensynsfull bruk gjennom flere hundre år, basert på en kulturell bærekraft, som igjen bygger på at de som bor i eller nær naturen, og som lever av naturen, har en egeninteresse av å forvalte naturressursene og naturen som leveområde, både for og naturen som leveområde, både for seg selv og for store og små – altså det biologiske mangfoldet. Derfor er det etter Høyres mening oppsiktsvekkende når miljøvernministeren fra Stortingets talerstol omtaler det lokale i betydningen et hvilket som helst kommunestyre – jeg tror det er et ordrett sitat: Et hvilket som helst kommunestyre kan sette nasjonale miljøhensyn til side. Jeg reagerer på det. For det første tror jeg ikke at «et hvilket som helst kommunestyre» ikke tenker på å ivareta eget ressursgrunnlag, egne naturkvaliteter, på en best mulig måte. Fra Høyres side mener vi faktisk at det er de lokale myndighetene som har den største interessen av å forvalte disse miljøverdiene på den best mulige måten, og som sitter nærmest og har den beste oversikten med tanke på nettopp å foreta den forvaltningen. Derfor er vi kritiske til INON i den form vi ser dette praktisert av denne regjeringen. Det gjelder 70 pst. av landets landareal. Det griper langt inn i det lokale selvstyret. Det mangler juridisk forankring. Det synes jeg statsrådens svar i replikkrunden understreker. Dette er fra Miljøverndepartementets side forankret i mange lover. Stortinget har ikke fått muligheten til å vurdere dette helhetlig.

Da jeg var ung, hjalp jeg min far med å hogge i skogen. Vi hogde trærne med det Erik Bye kalte tigersvansen, og så kjørte vi dem fram med hest. Det er vel en driftsform som ikke er gjennomførbar i dag, tror jeg. Det gjorde faktisk et ganske lite innhogg i naturen. Men la gå med at noen av en eller annen grunn nå ønsker å bevare naturen slik som noen trodde den var, altså som en villmark. Når man gjør det, må man jo ikke se bort fra de demokratiske spillereglene, arealenes historiske bruk, norsk lov, rettssikkerhet for eierne og tap for langsiktige miljøvennlige næringer som bygger sin eksistens på verdiskaping nettopp gjennom produksjonen på disse arealene. At f.eks. skogbruket ikke drives på arealene særlig ofte, skyldes jo skogens langsiktighet og driftsformen, og ikke at arealene plutselig er oppdaget nå. I Trøndelag, som tidligere er nevnt i denne debatten, vil 65 pst. av gammelskogen de nærmeste 20–30 årene være i såkalte INON-områder – logisk nok fordi disse områdene er den gjenværende delen av gammelskogen – og derfor trengs veibyggingen nå. En har fått nei til utbygging av flere slike veier. Disse råstoffene har vært med på å danne grunnlaget for skogbruksnæringen i Trøndelag gjennom alle år. Om samfunnet av en eller annen grunn mener at denne gammelskogen ikke skal benyttes, vil det bety en kraftig reduksjon av skognæringen, inkludert bioenergisatsingen. Det kan også være grunn til å understreke at om så skjer, er det ikke bare skogeierne som rammes – om noen skulle tro det. De virkelig store tapene ligger lenger ut i verdikjeden og i hele samfunnet. Man kan vel også spørre hvorfor gamle veier som nå begynner å gro igjen, med sommeren 2008 er blitt inngrepsfri natur. Det er slik at det tar 50, 60, 70 år før en kommer tilbake og hogger i skogen igjen, og på den tiden gror mye igjen. Det er flere løsninger på denne saken om viljen er til stede. Jeg har tidligere foreslått at skogsbil- og traktorveier skulle tas bort fra definisjonen. Det ville gjort noe.

bare for ordens skyld som en saksopplysning nevne at tigersvans ikke er noe som bare er funnet på i en sang; det er navnet på en kjent sag, produsert i Sverige. Utgangspunktet er jo ikke at vi må gjøre noe med det stadig økende presset på naturen. Presset har faktisk blitt betydelig redusert, og det naturen. Presset har faktisk blitt betydelig redusert, og det har blitt sterkt redusert de siste årene – til tross for det statsråden sa i stad – bl.a. gjennom den totalt feilslåtte rovdyrpolitikken til regjeringen. Gjengroing og fraflytting er gode nok bevis på det. Når staten nå ønsker å lage villmark av områder som tidligere har vært aktivt brukt, kan man ikke se bort fra demokratiske spilleregler, arealenes historiske bruk, norsk lov, rettssikkerhet for eierne og tap av langsiktige investeringer for miljøvennlige næringer som bygger sin eksistens og verdiskaping på nettopp produksjon i og på disse områdene. At skogbruket ikke driver arealene så veldig ofte, er – som det er sagt før her – selvfølgelig helt naturlig, fordi det tar tid å I Trøndelag er det nå 65 pst. av gammelskogen som skal tas ut de nærmeste 20–30 årene. De ligger nå innenfor disse INON-områdene og vil ikke være mulig å ta ut med det regelverket som gjelder i dag. Jeg synes det blir veldig merkelig at regjeringen og dagens flertall i Stortinget ikke ønsker og ikke ser viktigheten av at man tar ut disse råstoffressursene, og sørger for både dem som eier og skal og industrien som i neste omgang er avhengig av dette trevirket. Man kan jo spørre seg om veiene som nå begynner å gro igjen, fra og med sommeren 2008 plutselig har blitt inngrepsfrie naturområder. Jeg synes det blir et stort paradoks at man viser til at skogsbilveier som åpenbart er inngrepsfrie områder. Dette minner veldig mye om snikvern. Når vi i siste valgkamp hadde flere møter med skognæringen i Nord-Trøndelag – hvor alle partiene deltok, også regjeringspartiene – så var alle sammen veldig tydelige på at dette blir feil, dette går gal vei og dette må reduseres. Jeg tror heller ikke, når man ser på realitetene i forhold til å unnta skogsbilveier og traktorveier fra definisjonen, at det er nok. Det beste hadde nok helt klart vært å ta bort INON-begrepet, fordi det er – som jeg oppfatter det – en snikinnføring av vern. Man må kunne forvente at Norge som en rettsstat også oppfører seg som en. Det vil si at de arealene som skal vernes, må vernes med hjemmel i det lovverket som er konstruert for formålet, og ikke igjennom en regel som
Siden vi kommer tilbake til de inngrepsfrie områdene når regjeringen presenterer mer om det, vil jeg ikke tvære ut det mer, men feste meg ved det som er det politisk nye denne uken: Høyres dramatiske u-sving i miljøpolitikken. At Fremskrittspartiet ikke er opptatt av miljøvern – i hvert fall i betydningen klassisk miljøvern – det overrasker ingen. Det er ikke et menneske som noensinne har stemt på Fremskrittspartiet på grunn av deres miljøprofil. Men mange mennesker har tiltro til Høyre på dette området, og derfor er dette stor grunn til bekymring. For å vise hvor kolossal denne svingen er, har jeg lyst til å sitere fra en meget god miljøvernminister – i hvert fall på dette området – som Norge hadde, ved navn Børge Brende. Husk på at ingen var veldig fornøyd med Børge Brendes politikk på klimaområdet og på forurensingsområdet, men det var på området klassisk naturvern – altså det vi snakker om her nå – hvor Børge Brende virkelig gjorde det bra og folk var imponert. La meg sitere fra et skriv som han sendte til alle landets kystkommuner, fylkesmenn og fylkeskommuner: «Kyst- og strandstrekningene er svært attraktive for allmennhetens ferdsel og friluftsliv. Områdene er også viktige av hensyn til naturverdier, landskap og kulturminner. Som miljøvernminister er det mitt ansvar å påse at disse områdene får den beskyttelse som Stortinget har forutsatt. Jeg vil spesielt understreke kommunenes ansvar for å forvalte områdene i tråd med nasjonale interesser. Fylkesmennene og fylkeskommunene må også sørge for at de nasjonale retningslinjene følges.» Så er det flere siders begrunnelse for dette, og så er det siste avsnitt, hvor det heter: «Kommunen har som ansvarlig plan- og byggesaksmyndighet plikt til å følge nøye med på hva som skjer i strandsonen og sørge for at Fylkesmannen må fortsatt holde intensiv kontroll med hva som skjer av tiltak i strandsonen for å sikre at nasjonale målsettinger blir ivaretatt.» Jeg kunne ikke sagt det bedre! Dette er jo identisk med regjeringens politikk nå, nemlig at Stortinget setter nasjonale mål, og så setter det rammene for den kommunale handlefriheten. I tillegg vil jeg legge til at den rød-grønne regjeringen har myket litt opp i forhold til det som var situasjonen da Børge Brende var minister, for vi har delt inn landet i tre grupper og sagt at i Sogn- og Fjordane og i Nord-Norge er det ikke stort press på strandsonen, der er det ikke behov for veldig strenge reguleringer – det er ikke noe av det som er reflektert i dette skrivet – så har vi sagt at i Oslofjorden er det særlig påkrevet, og så er Hordaland og Rogaland i en litt mellomstilling. I realiteten sto Børge Brende for noe som vi har myket litt opp, men grunnleggende var han enig med vår regjering, nemlig at vi trenger nasjonale regler satt av Stortinget som ramme for hva kommunene skal kunne vedta. Og hvis ikke det Høyre nå gjør, er å løpe vekk fra Børge Brendes tid som miljøvernminister, så aner jeg ikke hva det
opptil flere av oss som har vært irritert på Børge Brende opp gjennom årene, men nå slipper vi jo heldigvis å bekymre oss for det. Jeg er overrasket over at en statsråd som ellers er opptatt av å snakke om kunnskapsbasert forvaltning, har en sånn stor grad av forkjærlighet for et apparat som ikke inneholder noen kvalitative vurderinger av de områdene som blir rammet. Det er altså sånn at definisjonen av inngrepsfrie og villmarkspregede områder kun og utelukkende baserer seg på horisontal avstand fra tyngre tekniske inngrep. Det sier ingenting om kvaliteten på de arealene som mer eller mindre blir vernet med den politikken som i dag føres, uten at det medfører noen som helst kompensasjon fra offentlig myndighet. Som tyngre tekniske inngrep regnes jernbanelinjer, veier og inngrep i forbindelse med produksjon og distribusjon av vannkraft. Det er altså sånn at man kan ikke bygge skogsbilvei uten at det kommer inn under begrepet, men man kan bygge svære Og man kan grave en gruve uten at det kommer inn under betegnelsen tyngre tekniske inngrep. Men borer man en kanal for å framføre vann til kraftanlegg, blir det rammet av INON-begrepet. Hvordan dette handler om å ivareta norsk natur, har jeg veldig vanskelig for å forstå. Dette handler kun om å ivareta en statistikk med antall kvadratkilometer på det gjelder den store bruken av skogsarealene på Østlandet, har dette lite å si. Østlandet er allerede i dag smekkfullt av skogsbilveier i alle retninger. Dermed reduserer man ikke inngrep i naturen ved å bygge nye skogsbilveier. I Trøndelag og på Helgeland er det derimot slik at mer enn en tredjedel av den skogen vi kan ta ut for å bruke til bl.a. bioenergi og andre ting som til stadighet sier at vi skal gjøre, i praksis er vernet gjennom INON. Skogbruk er den største næringen i Trøndelag, og dette er en politikk som truer tusenvis av arbeidsplasser. Så til Høyre og til Erling Sande i Senterpartiet: I 2007 fremmet Fremskrittspartiet følgende forslag: «Stortinget ber Regjeringen fjerne småkraftverk og rene skogsbilveier fra definisjonen «tyngre tekniske inngrep» stemte både Senterpartiet og Høyre den gangen imot. Siden 2007 har vi fått høre at dette skal Erling Sande, Ola Borten Moe og flere ordne opp i, og at regjeringen snart kommer med forslag om hva vi skal gjøre for å sørge for at skogbruksnæringen kan leve. Ingenting har skjedd på tre år, og ingenting kommer til å skje de neste tre årene heller. Det er litt underleg at denne debatten skal utarte til å bli eit spørsmål om nasjonal politikk kontra fullmakter og fridom for den enkelte Alle i denne salen veit at ein god miljøpolitikk ikkje blir utforma verken her i stortingssalen eller ute i dei enkelte kommunane. Det er samspelet mellom nasjonale vedtak, dei nasjonale målsetjingane og politikken, det lokale handlingsrommet og kunnskapen som dei har ute i kommunane, der dei er i nærleiken av naturen – måten dei forvaltar naturen på – som i sum gir det gode Det er det samspelet som vi må prøve å finne i alle samanhengar. Enkelte har her referert til skogbruksnæringa og sagt at dei er skuffa over at fleirtalet ikkje har vore opptekne av den næringa. Ja, men kjære, fleirtalet er jo opptekne av skogbruksnæringa, og det er regjeringa òg oppteken av. Det er nettopp derfor regjeringa har bedt Statens landbruksforvalting og Direktoratet for naturforvalting gå gjennom den problematikken, så absolutt – til dei grader – må ta vare på skogbruksnæringa, sørgje for at ho kan drivast nokså intensivt. Miljømessig og klimamessig vil vel det eigenleg vere det beste, i alle fall på lang sikt. På kort sikt kan det kanskje vere best å la skogen stå, men på lang sikt bør ein i alle fall ha ei aktiv skogforvalting. Derfor må ein finne felles løysingar på det. Så er spørsmålet: Kva er det ein eig? Ein av grunnane til at vi vil ha saka tilbake igjen, er at det er så mykje uklart når det gjeld desse tinga. Høgre uttrykkjer skuffelse over at vi ikkje er med på deira forslag. Eg kan jo seie at eg er skuffa over at dei ikkje kan vere med på å leggje saka ved protokollen, all den tid statsråden no seier at han vil kome attende med ei sak som belyser dette frå alle kantar. Eg trur det er nødvendig å ha ei form for saksgrunnlag og innstilling frå regjeringa for å få ein god debatt på dette

Statsråden har brukt ganske sterke ord om en u-sving i Høyres miljøpolitikk og om den politikken vi drev i samarbeid under Bondevik II-regjeringen. Jeg forstår at statsråden har behov for å fjerne oppmerksomheten fra regjeringens miljøpolitikk og SVs miljøpolitikk i regjeringen, som er blitt hudflettet fra de fleste kanter, ikke minst av miljøbevegelsen selv. Jeg vil anta at dette er en kjærkommen anledning til å prøve å få fokus vekk fra regjeringens manglende resultater i miljøpolitikken. Som nevnt av en tidligere taler, er det ikke mange saker som har kommet til komiteen fra statsråd Solheims departement. Jeg trodd at statsråden og SV hadde benyttet anledningen til å føre en mye mer aktiv politikk enn de faktisk gjør på dette området. Så vil jeg si til statsråden at Høyre, som et konservativt parti, er svært opptatt av en bærekraftig utvikling. Vi er opptatt av å levere jorden videre på en bedre måte enn vi selv fikk – i et generasjonsperspektiv. Men det er ikke det det handler om. Det som det handler om, er at vi ønsker Vi ønsker ikke en symbolpolitikk. Vi ønsker og tror at de beste resultatene får vi i samspill mellom nasjonalforsamlingen og lokalpolitikerne. Den saken som diskuteres nå, er et eksempel på hvordan vi ikke oppnår samspill. Regelverk og kulturer som har fått lov til å utvikle seg, og som gjerne ikke er hjemlet i lover og diskutert skikkelig, at det lokale demokratiet reiser bust med tanke på målsettinger, og vi oppnår ikke det gode samspillet som vi burde ha for å få resultater. Til Rudihagen: Det er jo ikke så rart at det blir en liten debatt rundt litt overordnede prinsipper når statsråden gjør det til et hovedpoeng i sitt første innlegg å gå til angrep på Høyre og det man gjorde på landsmøtet i helgen. Da må det bli en litt overordnet debatt. Det er åpenbart at Høyre er opptatt av miljøvern, som også forrige taler sa. Det ligger i konservatismens natur at man skal ta vare på og utvikle det man har, innenfor bærekraftighet og uten å ødelegge noe som helst. Det er selve grunnlaget og filosofien i vår tenkning, så derfor har ikke vi den ryggmargsrefleksen som statsråden tydeligvis har, når han i replikkrunden bruker Oslo-eksemplet. Jeg har faktisk mye større tillit til Oslos byråd enn at man setter seg ned og vil ødelegge byen hvis ikke riksantikvaren er på med hensyn til alle bygninger. Det tror jeg er en grunnleggende forskjell i tenkningen mellom statsråden og meg. Han snakker også om at man skal legge rammer for lokal forvaltning. Selvfølgelig skal man det – men man skal ikke overta lokal forvaltning. Det er det som er hele forskjellen. Siden statsråden har en slik mistillit til det lokale selvstyret og i og for seg til eiendomsretten, vil jeg spørre statsråden om han har noen veldig gode eksempler på at statlig, sentral styring er det som er god miljøpolitikk. Jeg tror man skal være rimelig historieløs for ikke å se at det er det motsatte som gjelder. Eiendomsretten og lokalt selvstyre sikrer et mangfold, den sikrer at ikke alle går i feil retning – hvilket statlig styring ikke gjør. Man er ganske garantert at hvis man først går i feil retning, går alle i feil retning. Er det noe Norge er i ferd med nå, så er det å gå i en retning der man legger mye av Norge brakk, nettopp fordi statsråden sitter i Oslo og har Oslo-perspektiv på alle utfordringer. Det er dramatisk for alt annet enn det som ligger innenfor en liten flekk rundt Oslo. Det begynner å bli dramatisk for Oslo også, derfor har vi vel fått såpass fokus på det – antageligvis! Men jeg vil ta sterkt til motmæle mot at vi ikke er opptatt av miljøvern. Vi er opptatt av at tillit og ansvar skal ligge ute lokalt, det skal tilhøre eiendomsretten, og så skal en statlig etat komme inn med korreksjoner hvis det blir for ille. Jeg skal innrømme at det finnes eksempler der, men de blir aldri så ille som når staten går i gal retning. Jeg tror vi skal kunne peke på så mange gode eksempler at statsråden skal få problemer i den debatten.
Jeg kan glede statsråden med at Høyres landsmøte nå i helgen som var, ga enstemmig tilslutning til Erna Solbergs innspill i Aftenposten torsdag 6. mai. Det gjorde landsmøtet ved å vise tillit til lokaldemokratiet, ved å vise tillit til at lokalt folkevalgte representanter bryr seg om kommunen sin og vil legge best mulig til rette for en lokal samfunnsutvikling, som ikke minst tar vare på miljøperspektivene. Dette er ikke noen u-sving fra Høyres side – tvert imot, det representerer et høynet ambisjonsnivå på miljøets vegne. Statsråden var også inne på Børge Brende – avla Børge Brende en hyggelig visitt – og viste til et dokument underskrevet av Brende. Det statsråden da kom i skade for, var å understreke det som faktisk er Høyres hovedpoeng i denne saken, nemlig at daværende statsråd Brende nettopp understreket at Stortingets nasjonale politikk skulle legges til grunn for hvordan kommunene skulle håndtere dette. Når det gjelder inngrepsfrie naturområder, har statsråden selv bekreftet at det ikke er forankret i denne sal, det er spredt utover et stort antall lover, og Stortinget som organ har ikke behandlet inngrepsfrie naturområder som begrep i en samlet sammenheng. I stedet opplever altså kommunene nå i økende grad, under den nåværende regjering, det vi kanskje kan kalle et målebåndtyranni. Hvis vi ser på kartet og legger til grunn nasjonalparkene, landskapsvernområdene og reservatfredninger på kartet – alt i henhold til naturmangfoldloven – og i tillegg legger inngrepsfrie naturområder inn på det samme kartet, blir det omtrent ingenting igjen for lokaldemokratiet å forvalte til egen lokal samfunnsutvikling, basert på lokal kunnskap, lokale forhold og lokal – det jeg vil kalle – kjærlighet til bygda. Det er det denne saken dreier seg om. Det understreket Høyres landsmøte veldig tydelig, og det er vi i Høyre veldig glad for. Presidenten vil bemerke at «målebåndtyranni» ikke akkurat er et parlamentarisk uttrykk. Det finnes sikkert andre betegnelser å bruke hvis man skal beskrive det man ønsker.
Det er litt spesielt å høre Fremskrittspartiet framstille det som om tapet av inngrepsfri natur ikke øker, for det er jo akkurat det det gjør – beviselig! Den siste kartleggingen viser et press som vi må over 16 år tilbake i tid for å finne maken til. Utbyggingspresset på norsk natur øker, og Fremskrittspartiet taler mot bedre vitende. Det samme gjør Fremskrittspartiet når representanten Lien hevder at statsråden ikke akter å foreta seg noe, for det vi nettopp diskuterer i salen, er jo at regjeringen akter å komme tilbake til Stortinget på egnet måte med en egen sak om inngrepsfrie naturområder. Det er altså ikke mye nytt fra Fremskrittspartiet – heller ikke at representanten Lien sliter med å se verdien av inngrepsfri natur i seg selv, og at definisjonen av «inngrepsfri natur» nettopp er inngrepsfri natur. Mer spesielt er det å høre Høyre forsøke å skape en absolutt motsetning mellom nasjonal politikk og lokaldemokratiet. Det blir en ganske populistisk framstilling av det som nettopp er et samspill, som representanten Rudihagen var inne på. Den forenklede framstillingen av Stortingets vilje, manifestert i en slem og anonym byråkrat som er ute etter å plage lokaldemokratiet, skaper bare forakt for forvaltningen. Framstillingen er svært lite kompatibel med representanten Melings forsøk på å angripe SVs miljøpolitikk i regjering, for det er en politikk som på hvert eneste område har levert mer på miljøområdet enn det Høyre noen gang har klart i en regjering, både når det gjelder vern,

Som eg sa i mitt innlegg, vil ei rigid praktisering av den inngrepsfrie naturmålestokken INON for å forvalte areal, kunne føre til at INON-område som ikkje har nokon ytterlegare verdiar knytte til naturmangfald eller knytte til leveområde for artar eller friluftsliv, kunne bli prioriterte framfor område som kommunane vurderer som viktige med tanke på friluftsliv, biologisk mangfald eller anna. Så har representanten Tord Lien, tradisjonen tru, noko kritikk i både den eine og den andre retninga. Eg trur at i dette tilfellet så har representanten Lien feil. Her er det faktisk arbeid i gang, både med å avklare skogsbilvegar opp mot definisjonen av INON, som det har vore referert til av fleire her, og i tillegg så melder ein tilbake at ein skal kome tilbake til Stortinget med ei sak om INON, slik som det både har vore kravd og ynskt frå opposisjonen. I så måte er ein på god veg. Debatten i dag viser at det er viktig at den saka kjem så snart som råd. Elles deler eg den om enn avmålte begeistringa frå statsråden når det gjeld at vi er i ferd med å få mjuka opp eit veldig rigid strandsoneregelverk, som den førre regjeringa, med Høgre i spissen, fekk lagt, til ei meir regional differansiering som vil vere fornuftig i strandsonepolitikken.

Jeg beklager litt å forlenge debatten såpass mye. Men dette er faktisk en viktig debatt, fordi dette dreier seg om noe helt grunnleggende – som spesielt Werp fra Høyre løper unna – nemlig om Stortinget skal fastsette nasjonal miljøpolitikk på viktige Det gjorde altså Bondevik-regjeringen, for Bondevik-regjeringen la jo fram ideer om de inngrepsfrie områder for Stortinget. Når man legger fram det i en stortingsmelding, og Stortinget ikke avviser den, er det å betrakte som nasjonal politikk. Da Børge Brende som landets miljøvernminister sendte ut et skriv som var veldig, veldig sterkt, for å understreke den nasjonale politikken, gjorde han det selvfølgelig i trygg visshet om at han hadde Stortingets flertall bak seg. Det er Stortinget som har vedtatt strandsonepolitikken, det er Stortinget som har vedtatt kjøpesenterpolitikken, det er Stortinget som for alle praktiske formål har vedtatt ideen om de inngrepsfrie områdene, og det er Stortinget som har vedtatt rovdyrpolitikken. På område etter område løper Høyre fra dette – de tør ikke å vedstå seg det. Jeg får omtrent aldri et spørsmål fra Høyre om hvorfor jeg har gjort for lite på noe miljøområde. Det er jo alltid: Hvorfor har regjeringen gjort så utrolig mye og altfor mye? Meling hevdet at nåværende regjering ikke hadde lagt fram så mange saker for Stortinget. Nåværende regjering har lagt fram naturmangfoldloven, den største miljølov i norgeshistorien – i hvert fall i de siste 100 år. Denne regjeringen la fram markaloven. Høyre protesterte, men til slutt var de med på den. Etter 30 års stillstand på markaområdet la vi den fram. Denne regjeringen har lagt fram plan- og bygningslovens plandel, som er det viktigste planverktøyet. Denne regjeringen har dramatisk økt bevilgningen til Miljøverndepartementets budsjett i forhold til hva som var situasjonen da Høyre satt i regjering. Denne regjeringen har lagt fram mye vern, inkludert vern av Trillemarka, som også – igjen i forbifarten – Børge Brende var en av initiativtakerne til, men som jo ingen fikk til, før vi fikk det til. I morgen kommer vi til å legge fram mye nytt frivillig vern av norske skogområder, også noe som har stått stille. Så denne regjeringen har gjort et dramatisk taktskifte på miljøområdet. Der vi kritiseres av miljøorganisasjonene nå, er jo på områder hvor Høyre kunne løst problemet. Hvis Høyre nå gikk tydelig ut og sa at dersom regjeringen kommer opp med et godt prosjekt teknologisk og økonomisk på Mongstad, vil det prosjektet stå uansett regjering i Norge. Da ville enhver usikkerhet om Mongstad være borte. De rød-grønne har gjort det helt klart at så sant vi får et godt prosjekt, skal vi gjennomføre det. Usikkerheten fra miljøbevegelsens side er jo: Vil dette overleve et valg i 2013, hvor Høyre i alle fall teoretisk kan komme til regjeringsmakt? Høyre kan fjerne hele miljøbevegelsens usikkerhet med én uttalelse fra partileder Erna Solberg. Det var representanten Valens innlegg som gjorde at jeg måtte ta ordet én gang til. Det er fordi han sier at tap av inngrepsfrie naturområder øker. Ja, det gjør det, og hovedårsaken er jo hos Statens kartverk. Man har kartlagt stadig flere veier rundt omkring i Norge, og det er veier som ofte har ligget i norsk natur i 50–60 år – i hvert fall i flere tiår. Jeg tror ikke det blir noe dårligere vilkår for norske arter av at man putter en vei på et kart, men det gjør altså det at man må rapportere mindre inngrepsfrie områder i norsk natur. Så er det slik at vi blir beskyldt for ikke å ha noen bekymring for dette. Nei, det er korrekt. Jeg personlig bekymrer meg ikke fordi om et tall på et papir blir redusert, men jeg er enig i at vi må ha en nasjonal politikk for å ivareta norsk natur. Jeg er bekymret for at hytter til stadighet bygges lenger og lenger opp i norske reindriftsarealer, men disse hyttene kommer altså ikke inn under tyngre tekniske inngrep, og reduserer dermed ikke inngrepsfrie naturområder i norsk natur. Det er et paradoks. Jeg mener at kvalitativ tilnærming til dette er mye viktigere enn et tall på et papir, som ikke sier noe om den reelle tilstanden i norsk natur. Så til representanten Serigstad Valen. Forhåpentligvis vet han det siden han representerer Trøndelag: Selvfølgelig har skogsdriften endret seg. Det er ikke veldig vanlig lenger å drive kommersiell skogsdrift ved å ta med seg hesten og en mekanisk sag ut i skogen. Det gjør at behovet for å bygge skogsbilvei i viktige ressursområder for norsk skogbruk har endret seg. Det gjør også at dette tallet på et papir da blir noe redusert, men alternativet er altså at den viktigste næringen i den regionen som Snorre Serigstad Valen og jeg representerer, får vilkår som gjør at de ikke kan drive videre. Så til representanten Sande, som jeg har hatt den store glede å polemisere med fra denne talerstolen ved Når jeg hører Erik Solheims lovprising av Børge Brendes politikk med hensyn til inngrepsfrie naturområder i norsk natur, virker det som at Erling Sande skal sove veldig godt om natten i håp om at denne saken får en fornuftig løsning. Anders B. Werp har hatt ordet to ganger og får ordet til en kort merknad, begrenset til
Statsråden understreker, og det er vi fra Høyre veldig enige i, at det skal være en sammenheng mellom nasjonal politikk og lokal politikk. Det er samspillet der som skaper de gode resultatene. Men da må det også være tankevekkende for statsråden at parti etter parti i denne debatten står på denne talerstolen og understreker og etterlyser en presisering av hva «inngrepsfrie naturområder» betyr. Det er et sterkt signal om at når det gjelder inngrepsfrie naturområder, så er ikke det forankret, for man har ikke en felles forståelse av hva dette dreier seg om. Da er det i hvert fall ikke nasjonal politikk på området. Da er den nasjonale politikken forankret utenfor denne sal. Det er vårt poeng, og det er det vi ønsker med å ta opp denne saken
Snorre Serigstad Valen har også hatt ordet to ganger og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Representanten Lien tar igjen feil, og i motsetning til Fremskrittspartiets representanter skal ikke jeg anklage andre debattanter for å fare med løgn, men jeg kan jo opplyse representanten Lien om at det ikke er oppdagelser av nye veier på kart som står for det økte trykket på inngrepsfrie naturområder. Tvert imot står energisektoren for 40 pst. av bortfallet av inngrepsfrie naturområder i siste gjennomgangsperiode fra 2003 til 2008, og landbrukssektoren står for drøyt 30 pst. av bortfallet i samme periode. Under dette sorterer både utbygging av kraftlinjer, økt satsing på småkraftverk, etablering av vindkraftanlegg og iverksetting av nye og gamle konsesjoner for vannkraftutbygging. Innenfor landbrukssektoren skyldes bortfallet i all hovedsak bygging av nye skogsveier. Det er ikke sånn i virkeligheten at man er nødt til å velge enten eller. Derfor redegjør jeg nå for tredje gang for samarbeidet mellom MD og Landbruksdepartementet for å finne en god balansegang der. Det er kun i Fremskrittspartiets verden i jakt på kjappe stemmer at det er en absolutt motsetning mellom inngrepsfrie naturområder og fornuftig forvaltning av skogen.
For det første vil jeg uttrykke en stor glede over at Høyre har inntatt det standpunktet de har. Dette lover godt for et godt valg og samarbeid etter 2013. Jeg registrerer også at statsråden på en måte sier at denne debatten er litt unødvendig all den tid det skal komme en sak, og forslaget hadde derfor ikke trengt å bli fremmet. Spørsmålet fra Fremskrittspartiet har vært når den saken kommer. Det er relevant fordi statsråden tidligere har lovet f.eks. sak om motorferdsel, som dro ut hele forrige periode, og som ser ut som om den kan dra ut denne perioden også. Dette er en såpass viktig sak at en ikke bare må kunne holde seg med løfter om at man skal komme i gang en gang i framtiden. Den burde komme i alle fall før kommunevalget 2011. Det er en rimelig frist, og jeg vil håpe at statsråden følger det. Det som også burde forstyrre nattesøvnen til representanten Sande, er hvilken tilnærming statsråden legger i den saken som kommer, er ingenting i det som statsråden har uttalt, som burde gi representanten Sande og Senterpartiet grunn til å sove godt om natten. Det er det som er det vesentlige her, ikke bare at man får en sak, men hvilke signaler som kommer i den saken. Der frykter jeg at det går feil vei. Det er bare å vise til markaloven, som ble behandlet i Stortinget i forrige periode. Hver gang komiteen var rundt og snakket med berørte parter, skulle ikke det være noe problem med fornuftig bosetting og fornuftig arealutnyttelse for dem som allerede hadde tilhold i marka. Nå ser vi at når loven er vedtatt, benytter fylkesmannen litt andre fortolkninger enn Stortinget egentlig ønsket, og vi får en masse prosesser – ja, ifølge regjeringen er det vel fornuftig når man får prosesser, men for meg blir dette veldig mye byråkrati der en prøver å kneble lokaldemokratiet i Oslo i strid med det som politikerne lovet da de var på disse rundene. Så merker jeg også at statsråden prøvde å dra Mongstad-saken for å sverte Høyre. La meg gi en liten historieleksjon til statsråden: Når det gjelder dette med å stille krav til rensing fra dag én, noe Fremskrittspartiet alltid har vært imot så lenge teknologien ikke kreves i andre land og ikke er kommersielt tilgjengelig, så var det faktisk Bondevik-regjeringen som fremmet det kravet første gang i Klimameldingen som ble behandlet på Stortinget i mai–juni 2002. Der står det at ingen nye konsesjoner for gasskraftverk skal tildeles uten rensing fra dag én inntil klimakvoteloven er på plass, sånn at Høyre har faktisk noe å skryte av hvis det er et mål å ha urealistiske teknologikrav fra dag én. Nå har heldigvis Høyre gått vekk fra dem, men jeg registrerer at statsråden fortsatt fastholder den over Industrikraft Møre, det ikke er så viktig for Mongstad. Det viser jo litt om hvor lite prinsipiell behandling det er i denne saken. Jeg vil også minne statsråden om at alle partiene på Stortinget både i 2007 og i 2009 støttet arbeidet med teknologisenteret på Mongstad. Det som skiller partiene er ikke om man ønsker å få det til, men om man skal forplikte seg til å bygge et fullskala renseanlegg, koste hva det koste vil, innen en tidsfrist, sånn som regjeringens politikk har vært inntil nå. Jeg ser at statsråden fortsatt gjør det til et poeng at en skal forplikte seg til å bygge det uansett kostnad. Det synes jeg er dårlig politikk.
Erling Sande har hatt ordet to ganger og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Då fleire av representantane frå Framstegspartiet har bekymra seg over min nattesøvn, finn eg berre grunn til å peike på dei løysingane vi har funne t.d. på strandsoneproblematikk, som har vist at ein kan løyse ting i fellesskap i denne regjeringa som gjev eit betre og eit enda betre regelverk enn t.d. den førre regjeringa gav uttrykk for. Så eg har god nattesøvn, og i den grad eg skulle vere uroa for han, så er eit framtidig regjeringssamarbeid frå 2013 mellom Høgre og Framstegspartiet ein mykje større trussel. Nå skal ikke jeg forlenge debatten unødig, men det ville være en veldig, veldig fordel for den videre debatten om Høyre på et tidspunkt kunne presisere hva partiet egentlig mener. Det blir litt i tråd med det Erling Sande sa til slutt her. For regjeringspartiene har altså utformet en strandsonepolitikk som er et veldig strengt regelverk for Oslofjorden, et liberalt regelverk for Distrikts-Norge vidt og bredt og en mellomposisjon for Rogaland, Hordaland og innerste delen av Trondheimsfjorden. Det kunne vært interessant å vite om Høyre spesielt – jeg er ikke så opptatt av Fremskrittspartiet for det er Høyre jeg ser på som en mulig samarbeidspartner om dette – er enig i dette, og om man faktisk mener at vi trenger nasjonale, klare spilleregler på dette området utformet av Stortinget, eller om dette er et område hvor den enkelte kommune kan bestemme selv, noe alle vet ville uthule de nasjonale reglene helt. Så var Solvik-Olsen inne på markaloven. Meg bekjent er det ennå ikke tatt noen avgjørelse om Marka som kan rettferdiggjøre de skrekkvisjonene som Solvik-Olsen har. Den eneste vesentlige avgjørelse som er tatt, var i forbindelse med Linderud – den var det stor jubel for. Alle de andre avgjørelsene skal vi nå gå igjennom for nettopp å legge et regime som sikrer det som er formålet med markaloven, nemlig å legge til rette for friluftslivet for Oslos og nabokommunenes befolkning, men uten å drive en form for millimetertyranni som bidrar til at folk mister tillit til det hele. Til slutt litt om Mongstad. Ingen mener at man skal sette i gang fullskala rensing på Mongstad uansett kvaliteten på prosjektet. Den ene klare utfordringen jeg har kommet med til Høyre – og jeg gjentar: til Høyre, for jeg er ikke opptatt av Fremskrittspartiet; det vil holde med Høyre – er om Høyre kan si klart ifra at dersom det kommer et godt, industrielt, økonomisk og teknologisk prosjekt, vil partiet videreføre Miljøbevegelsen har vært kritisk – alle har jo registrert at de har vært veldig kritiske til SV og regjeringen nå – og det ene punktet de er grunnleggende kritisk til, dreier seg om faren for en borgerlig regjering i Norge. Miljøbevegelsen er ikke helt sikre på at vi vil vinne valget i 2013. Jeg tror vi har en god sjanse til det, men jeg kan heller ikke garantere noen at de rød-grønne vil vinne valget i 2013. Så galt kan skje i dette landet at vi får en borgerlig regjering i 2013, og da er alle usikre på om løftene om fullskala rensing på Mongstad står fast. Men jeg vil altså bare ha en klar uttalelse fra Høyre – det ville hjelpe fra Fremskrittspartiet også, men min ufordring går til Høyre – om at en regjering med Høyre vil videreføre dette hvis det er et godt prosjekt teknologisk, økonomisk og industrielt. Kristelig Folkeparti, slik jeg har oppfattet det, har kommet med et slikt synspunkt. Hvis Høyre gjør det, er all usikkerhet om dette borte. Presidenten er ikke sikker på om «millimetertyranni» er noe bedre enn «målebåndtyranni». For øvrig skal all tale rettes til presidenten. Nå ser vi dessverre statsråden fra sin verste side. Statsråden vil ikke selv forplikte seg til å bygge Mongstad for enhver pris. Dermed er det statsråden som har gått vekk fra Statsråden vil ikke selv forplikte seg til å bygge Mongstad for enhver pris. Dermed er det statsråden som har gått vekk fra det standpunktet som SV kjempet gjennom, nemlig at CO2-rensing på Mongstad i fullskala skal være på plass i 2014 koste hva det koste vil, uansett hva den teknologiske risikoen er. Alle som husker debatten i Stortinget 7. mai 2009, vet at til og med representanten Erling Sande gikk med på dette pilotanlegget, skulle man investere i fullskala rensing på Mongstad i 2014. Det er et fullstendig meningsløst standpunkt. Det synes både Fremskrittspartiet og Høyre. Til og med Kristelig Folkeparti og Venstre sa at man ikke kan forplikte seg på den måten. Statsråden snakker som om det standpunktet aldri har eksistert. Så skal man ha en avklaring fra Høyre om at de skal være med og forplikte seg til å bygge et renseanlegg som statsråden selv ikke vil forplikte seg til. Hva er det for noe rart? Det går ikke an å være sånn. Hvis statsråden hadde brydd seg om fakta i Mongstad-saken, hadde statsråden gått inn og sett hva en enstemmig stortingskomité sa da Mongstad-saken ble behandlet første gang i 2007. Da sa alle ja til testanlegget, og alle sa at de støttet ambisjonene om fullskala rensing. Hva er det da å utdype? Hvis dette funker, hvis dette er kostnadseffektivt, vil et samlet storting stå bak dette, og da trenger man ikke be om noen avklaring fra ett og ett parti. Til og med Fremskrittspartiet sier at ja, da vil det være en fornuftig måte for Norge å innfri sine Kyoto-forpliktelser og forpliktelser i framtiden til å kutte utslipp på. Men hvis dette blir dyrt og dårlig, tror jeg verken Fremskrittspartiet, Høyre eller Arbeiderpartiet, og ut fra statsrådens egen måte å ordlegge seg på, ei heller SV, vil gå inn for å bygge fullskala rensing på Mongstad, og da bør vi komme over til fakta i denne saken: Vil statsråden selv bygge for enhver pris? Hvis han sier ja, er det et ærlig standpunkt. Hvis han sier nei, er det statsråden som har snudd, men når han ikke vil gå inn på de forpliktelsene selv, må han heller ikke kreve slike svar fra Høyre. Flere har ikke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

Stortinget har tidligere bedt regjeringen om en gjennomgang av avfallsmarkedet og forbrenningsavgiften. Regjeringen har så gjort i vinter og i vår, og vi har dermed sammen med det arbeidet komiteen har gjort i denne saken, et godt og grundig grunnlag for debatt. Opposisjonen har også hatt et godt grunnlag for sitt forslag. Det har i debatten som har gått denne våren, og som det har vært ganske mye offentlighet rundt, blitt påpekt at eksporten av avfall til Sverige har blitt firedoblet i perioden 2002–2008. I de sist oppdaterte tallene, som i hvert fall jeg har oversikt over, fra 2008, utgjorde eksport til Sverige om lag en tredjedel av alt avfall levert til forbrenning. representerer store utslipp og kostnader knyttet til transport, og har ført til en svært vanskelig konkurransesituasjon for norske aktører innenfor bransjen. Så vil jeg tro at mye av grunnlaget for en lang, polemisk debatt av den typen vi så i behandlingen av forrige sak mellom regjeringspartier og opposisjon, er borte i denne saken, med tanke på at regjeringen i forrige uke kunngjorde at man i revidert nasjonalbudsjett foreslår å avvikle forbrenningsavgiften med virkning fra 1. oktober. Det er for øvrig samme dato som Sverige avvikler sin forbrenningsavgift. Jeg har derfor tenkt å fatte meg i korthet, for det er et samlet storting som dermed ønsker å ta dette grepet, og det er bra. Samtidig er det grunn til å minne om at forbrenning av avfall ikke er første trinn i avfallshierarkiet. Så selv om vi ikke tror at dette vil ha negative effekter for gjenvinningsbransjen, er det grunn til å følge godt med. Det samme gjelder spørsmålet om vi nå kommer til å være strenge nok overfor utslippskravene til forbrenningsanleggene i Norge. Derfor er det gledelig at regjeringen varsler at den etter en tid vil evaluere de miljømessige konsekvensene av den planlagte avgiftsavviklingen. Det er viktig at grepene vi tar nå for å sikre norske forbrenningsanlegg, ikke rammer miljøet. Selv om vi er veldig trygge i vår sak, er en evaluering av konsekvensene svært viktig og en helt naturlig del av en helhetlig og god avfallspolitikk. Til slutt vil jeg bare legge til at dette er min første sak som saksordfører. Det har vært både spennende og lærerikt. Jeg vil takke komiteen og de mange aktørene i avfallsbransjen som jeg har blitt kjent med, for en veldig god og lærerik prosess. Da skal saksordføreren få med seg gratulasjoner fra presidenten!
Dette kan jo bli en kort og grei debatt, forutsatt at man holder seg til temaet som saken omhandler. For bare å ta en kjapp repetisjon av det som er saken: Vi har her et eksempel på et virkemiddel som skal vi si – ikke virket så godt lenger. Da krisen slo inn i Sverige og avfallsmengden for forbrenning i Sverige ble sterkt redusert, førte det til en prisendring på avfallet som gjorde at norske avfallsforbrenningsanlegg, som er i en oppbyggingsfase, fikk mye av det ble jo, som i hvert fall vi på Vestlandet har hatt mye av, store presseoppslag om trailerlass etter trailerlass, angivelig titusenvis av trailerlass, med avfall som kjører fra Norge til Sverige, i en tid da man skal bygge opp norsk fjernvarme som skal fyres på avfall. Da blir det slik at virkemiddelet ikke har noen legitimitet lenger. Virkemiddelet virker ikke lenger slik det er snakk om. Det som blir saken, er at det slår bena under den satsingen som vi ønsker å gjennomføre i forbindelse med fjernvarme. Dette ble vi jo klar over i løpet av sommeren og høsten 2009. Derfor ble det tatt opp i behandlingen av statsbudsjettet. Derfor det også en flertallsmerknad i forbindelse med statsbudsjettet som sa at regjeringen må ta dette opp, og vurdere denne avgiften. Det har regjeringen gjort. Det ble også kommunisert klart fra regjeringen. Flertallsfraksjonen i energi- og miljøkomiteen har jobbet tett sammen med bransjen og regjeringen i dette spørsmålet, og vi har klart å få til en helhetlig vurdering. Som saksordføreren var inne på, kom konklusjonen om at vi faktisk fjerner avgiften offentligheten til kjenne på Jeg synes at denne prosessen veldig godt viser at det er en sann fryd å sitte i posisjon og delta i behandlingen av dette, istedenfor å komme med det som jeg nesten må se på som et meningsløst Dokument 8-forslag, rett før vi får fasit i revidert statsbudsjett – som varslet i statsbudsjettet. Dette er også et eksempel på at vi har en regjering som fører en helhetlig miljøpolitikk og en helhetlig klimapolitikk, slik at dette emnet får den sentrale plassen i politikken som det fortjener. Vi har ambisjoner når det gjelder miljø og klima. Vi bruker de virkemidlene som står til vår rådighet, men lojaliteten vår står ikke opp Lojaliteten vår går mot ambisjonene. Vi justerer virkemidlene når det er nødvendig, og vi justerer i tråd med det som skal til for å oppnå de målene vi har. Dette gjør vi både i avfallsforbrenningssaken og i andre saker, som vi ikke skal komme inn på i denne omgang. Denne debatten vil mange meine er unødvendig, men personleg meiner eg at han er nødvendig. Vi har faktisk mykje å lære av denne saka. Når Henriksen uttaler at det på ein måte er eit meiningslaust representantforslag som ligg føre, kan ein spørje seg kva som er mest meiningslaust, om det er lekkasje tre–fire dagar før budsjettet blir lagt fram, eller

Seinare, i 2004, blei forbrenningsavgifta lagd om frå ei avgift basert på levert mengde avfall til ei avgift direkte på utslepp. Vidare blei det forbod mot deponering av avfall som kan brytast ned, gjeldande frå 1. juni 2009. Det førte til at ein betydeleg del av dette avfallet ikkje lenger kunne deponerast, men gjekk til forbrenning. I ein periode førte faktisk deponiforbodet til at det var knappleik på forbrenningskapasitet i Noreg. Men avfalls- og fjernvarmebransjen tok, som eit resultat av politiske signal, utfordringa og bygde ut kapasiteten til desse forbrenningsanlegga. Men desse anlegga opplevde sterkt aukande konkurranse om avfallet frå forbrenningsanlegg i Sverige. Til og med finanskrisa gav eit betydeleg lågare volum, som Så bransjen fekk ikkje tilgang til nok avfall til ein kostnad som kunne gi tilstrekkeleg lønnsemd, og spørsmålet om den norske forbrenningsavgifta måtte fjernast, blei meir og meir aktuelt og kom på banen ved fleire og fleire anledningar. Men no på fredag kunne vi lese om, og fekk, den første lekkasjen frå revidert, og mange glade representantar frå den raud-grøne regjeringa kunne fortelje at den håplause forbrenningsavgifta no ville bli fjerna. Dette var ei gledeleg nyheit for oss i Framstegspartiet, som har kjempa mot denne avgifta lenge. Men gleda har ein bismak. Det er inngått ei rekkje avtalar for levering av avfall til dei svenske basert på ein større grad av føreseielegheit i nabolanda våre når det gjeld avgiftsregimet. Det var rett og slett ikkje mange nok som trudde at ei avgiftskåt raud-grøn regjering ville fjerne forbrenningsavgifta – jf. biodieselsaka, som for mange stod som eksempel på vilje til fornuftige endringar. På bakgrunn av at det årleg blei eksportert minst 15 000 trailerlass med avfall, burde faktisk denne gjennomføringa vore gjord mykje, mykje tidlegare. Men, som sagt, vi får gle oss over at vi har gitt norske forbrenningsanlegg konkurransekrafta tilbake, noko som er heilt naudsynt etter at fellesskapet har gitt betydelege bidrag til investering i desse fjernvarmeanlegga. For delar av landet der ein har hatt, og har, stort energiunderskot og straumprisar bortanom all fornuft, har dette avgiftsregimet stått fram som direkte provoserande når ein veit at så fram som direkte provoserande når ein veit at så store energimengder er køyrde ut av landet til forbrenning. Heldigvis, vi får lære av det som ligg i denne saka, og Framstegspartiet ønskjer med dette å ta opp forslaga nr. 1 og 2. Representanten Oskar Jarle Grimstad har tatt opp de forslagene han refererte til. Jeg vil først berømme saksordføreren for vel utført arbeid, og for godt samarbeid i denne saken. Det er

nøytrale konkurransebetingelser er viktig, og vi setter stor pris på at regjeringen her endrer dette. Det er bra at regjeringen har snudd, men ulempen er at dette har tatt tid. For oss i Høyre er det uforståelig, for i denne saken har en på en måte tapt på alle fronter. Ved ikke å fjerne avgiften har miljøet tapt på den måten at svenske aktører har fått anbud, og at det går flere titusener trailerlass til Sverige med søppel fra Norge. For norske fjernvarmeanlegg har i tillegg – i den grad de måtte miste søppel som grunnlag for oppvarming – olje vært et alternativ, noe som også vil være en ulempe for miljøet. Så er det dette med skattebetalernes penger. Når vi først gjennom Enova bevilger store summer til å utvikle fjernvarmeanlegg i Norge, skulle det bare mangle at vi ikke benyttet disse. Det kan også være snakk om tap av verdiskaping her hjemme. For Høyre var det en opplagt sak allerede da vi behandlet budsjettet i høst, at denne forbrenningsavgiften måtte vekk. Og det er synd at det har tatt tid for regjeringen å komme til samme konklusjon. Mange anbud har gått til Sverige, sist var det dette vestlandsanbudet. Der utgjorde forbrenningsavgiften forskjellen mellom det norske tilbydere var i stand til å tilby, og det svenskene kunne tilby. Bare dette ene eksempelet betyr at 93 000 tonn avfall nå i fire år kommer til å gå til Sverige. Så jeg beklager at det har tatt lang tid å komme til den erkjennelsen Høyre allerede hadde i høst. Hvis vi ser over til våre danske naboer, så gikk det bare fire uker fra deres lekkasje av søppel begynte til miljøvernministeren der nede hadde sørget for at denne avgiften ble fjernet. I Norge har regjeringen brukt trekvart år på dette. Men, som sagt, Høyre er fornøyd med at avgiften nå er varslet fjernet fra 1. oktober. Det tjener vi på, både i forhold til verdiskaping og ikke minst i forhold til miljøet. Både representantforslaget og det

Produsentansvar, returordningar og kjeldesortering er nokre av dei tiltaka vi kan setje inn, å unngå unødig emballasje er eit anna. Ordninga med produsentansvar blei kartlagd av styresmaktene i 2008, og då skisserte ein også ein del av problemet, og ein del nye ordningar blei foreslåtte. Det er eit viktig verkemiddel, altså produsentansvaret, for å auke gjenvinningsgraden. om tilbodet når det gjeld materialgjenvinning er på plass, er det ikkje sikkert at det blir brukt, og der har vi også ei utfordring. Ei undersøking som blei gjord i fjor, viste at heile 25 pst. er usikre, eller ikkje kjenner til ordninga med at ein kan levere inn og elektrisk avfall. For dei under 30 år var prosenten heile 42, altså nesten halvparten var usikre på, eller kjende ikkje til, at ein kunne kvitte seg med sånne produkt gjennom å levere dei tilbake i staden for å hive dei i restavfallet. Det er ein tankekross. Så er det sånn at det avfallet som ein ikkje skal Noreg har dei siste åra bygd opp store anlegg for å handtere dei avfallsmengdene som ein skal forbrenne, og nettopp utnytte desse til energi gjennom varme og elektrisitet. Det er ikkje god miljøpolitikk å sende avfallet til Sverige. Det er alle einige om. To fullasta trailerar kvar time er korkje god miljøpolitikk eller fornuftig næringspolitikk. Her er det nærleiksprinsippet som ligg til grunn, og vi må utnytte avfallsressursen i Noreg. På same måte gjer vi det gjennom å leggje til rette for at norske varmegjenvinningsanlegg, norske forbrenningsanlegg, i større grad kan konkurrere med dei svenske, gjennom at ein fjernar denne avgifta, på same måte som svenskane har gjort det. Derfor er vi sjølvsagt godt nøgde med innspel frå opposisjonen, men fyrst og fremst med at innspel frå bransjen har ført fram til at denne avgifta no blir fjerna. Og så får vi håpe dette på sikt vil føre til at det avfallet som skal forbrennast, får ein kortare veg fram til forbrenning. Jeg vil si at det var godt at finansminister Sigbjørn Johnsen ringte TV 2 på fredag og ville gi dem en lekkasje fra revidert nasjonalbudsjett – det var i hvert fall slik TV 2 framstilte det. Da kom altså nyheten om at sluttbehandlingsavgiften skulle fjernes fra 1. oktober, samme tidspunkt som for svenskene. Jeg er glad for denne lekkasjen. Men jeg er også glad for at statsråden gjorde det slik, med å komme med denne lekkasjen i forrige uke, for ellers hadde kanskje forholdet mellom Stortinget og regjeringen blitt litt vanskelig, hvis vi i dag skulle behandle en sak om fjerning av sluttbehandlingsavgiften og i morgen få beskjed om at regjeringen fjerner den. Så jeg tror det var en lur, klok, pressestrategi. Fjerning av sluttbehandlingsavgiften er bra fordi vi da får like konkurransevilkår med Sverige. Det går altså et trailerlass hver time døgnet rundt, hele året rundt, til Sverige, som har skapt mye god energi. Mange gode, varme dusjer har det blitt fra avfall som er produsert i Norge. Men når vi nå får fjernet denne forbrenningsavgiften, er det viktig at hele har et enda mer bevisst forhold til avfallshierarkiet. Ting som kan gjenbrukes, skal gjenbrukes ved utsortering. Det er bare det som da blir igjen av utsorteringsprosessen, som skal forbrennes, enten det gir varme til husholdningene våre eller til industrien, eller det blir drivstoff til bilene våre. Etter å ha fulgt avfallsbransjen de siste fem årene synes jeg at jeg har vært på en spennende reise. Det er alltid noe nytt å lære i denne bransjen. Det er alltid noen nye Petter Smart-er som har kommet på noen nye ting som gjør at vi kommer lenger i forhold til hvordan vi kan håndtere søppel eller avfall. I dag behandler vi på en måte hva vi gjør med søpla vår, men jeg synes det er vel så viktig at vi fokuserer på hva vi kan gjøre for å minimalisere at søppel oppstår, både når det gjelder husholdningsavfall og industriavfall. Fra 1995 og fram til i dag har, ifølge Statistisk sentralbyrås tall, årlig avfallsmengde økt med over Halvparten av avfallet materiellgjenvinnes, omtrent 20 pst. av avfallet går til energigjenvinning. Men jeg tror det er mer å hente på dette området, så derfor ser Kristelig Folkeparti fram til at Erik Solheim bruker sitt glimrende engasjement også innenfor denne bransjen. Jeg håper at han på et eller annet tidspunkt kan slippe nyheten om at regjeringen vil ha en helhetlig gjennomgang av avfallsbransjen, for det er lenge siden miljøministeren het Thorbjørn Berntsen. Det var den gangen han satt i statsrådens stol, at Stortinget fikk seg forelagt en helhetlig gjennomgang av dette området, og jeg tror det er på tide at Erik Solheim overtar den stafettpinnen og kommer til Stortinget med en helhetlig gjennomgang av dette viktige området.
Jeg skal heller ikke bruke mye tid her i dag på bakgrunn av det som nylig har skjedd. Venstre hadde forventninger om at regjeringen tok grep om avfallspolitikken da deponiforbudet ble innført. Deponiforbudet representerte en kraftig regulering av avfallshåndteringen – det var helt riktig å innføre det – men burde altså vært fulgt opp med en styrking av vilkårene for alternativ behandling av avfall. I Venstres alternative statsbudsjett for 2010 foreslo vi å fjerne avgiften i sin helhet. Dette var et ledd i vår omlegging til et grønnere skattesystem og økt satsing på bioenergi og fjernvarme gjennom en styrking av Enova. Problemene rundt avgiften på forbrenning av avfall illustrerer etter Venstres syn mangelen på en helhetlig avfallspolitikk fra regjeringens side. Man investerer flere milliarder kroner i fjernvarme basert på avfall, med betydelig støtte fra Enova. På den annen side hadde vi en særnorsk avgift som gjorde at avfall ble transportert ut av landet, og de norske anleggene ble stående uten tiltenkt Lekkasjen er fra revidert – det er gledelig, som flere har vært inne på. Og at regjeringen etter påtrykk fra opposisjonen har fjernet avgiften, er bra.
Ved behandlingen av statsbudsjettet i fjor høst ga Stortinget regjeringen i oppdrag å se på de ulike miljømessige og næringsmessige sider ved forbrenningsavgiften slik som avfallsmarkedet nå ser ut. Vi forsøker å besvare disse spørsmålene i revidert nasjonalbudsjett, som legges fram i morgen. Jeg kan forsikre Line Henriette Hjemdal om at selv om finansministeren ikke hadde gått ut i forrige uke med denne lekkasjen fra budsjettet, hadde ikke jeg tenkt å stå her og ta imot en masse kjeft fra opposisjonen på dette området, uten å hinte om hva som ville komme i morgen, så Stortinget ville ikke bli holdt i mørket på dette for ikke å gjøre debatten altfor lett for oss selv må vi jo heller ikke glemme hvorfor forbrenningsavgiften ble innført. Den ble jo ikke innført av vår regjering, den ble innført på et mye tidligere tidspunkt, og den ble ikke innført i ond hensikt. Den ble innført litt fordi det er – som Line Henriette Hjemdal også sier – et avfallshierarki, og man ønsket å stimulere til økt gjenvinning. Det var årsaken til at avgiften ble innført, og det er også en av de sidene som regjeringen vil se på når forbrenningsavgiften nå fjernes – hvordan vi da kan sikre at vi får til så mye gjenvinning som mulig. For gjenvinning er alltid, eller iallfall som regel, den beste form for håndtering av avfall. Likevel, med den store utbyggingen av forbrenningsanlegg som er kommet til Norge, og med deponiforbudet, var det nødvendig å ta grep for å løse opp i den situasjonen som forbrenningsavgiften skapte. Deponiforbudet var veldig viktig for å hindre utslipp av klimagassen metan, bl.a. Vi må da se på forbrenningsavgiften på nytt, noe vi også gjør. Dette henger også sammen med den store utbyggingen av fjernvarme, som har fått stor støtte gjennom Enova, og avfall er blant de viktigste energikildene for fjernvarme. Derfor må vi se avfalls- og energipolitikken i sammenheng. Så har – som flere har påpekt – norske forbrenningsanlegg kommet i en vanskelig konkurransesituasjon med Sverige. Det er selvsagt ikke ønskelig at avfall fraktes over store avstander, fra norske til svenske forbrenningsanlegg, selv om det er mulig å gjøre seg forskjellige regnestykker gitt at svenske anlegg til tider er bedre enn norske; forskjellige regnestykker om hva som klimamessig er beste resultat. Så jeg tror ikke vi skal si at det alltid er galt at norsk avfall eksporteres til Sverige, like lite som det alltid vil være galt om svensk avfall skulle eksporteres til norske forbrenningsanlegg. Men det er ingen ønskelig situasjon at Norge og de norske er i en dårlig konkurransesituasjon, og det var en sterkt medvirkende årsak til at vi bestemte å oppheve forbrenningsavgiften. Så vil jeg si, siden det også ble henvist til Thorbjørn Berntsen, at det store krafttaket han tok i avfallspolitikken på 1990-tallet, har gjort at vi har hatt en veldig sterk forbedring av norsk avfallspolitikk. Vi har en stor økning innen gjenvinning, og vi har fått en mye bedre miljøstandard på deponier og forbrenningsanlegg. Så avfallspolitikken er alt i alt et politikkområde som fungerer godt, men det er selvsagt alltid rom for å se på hvordan dette kan forbedres. Og det skal vi kontinuerlig gjøre. Til slutt vil jeg takke bransjen for godt samarbeid. Deres innspill har selvfølgelig vært det mest grunnleggende i denne sammenheng. Jeg vil takke opposisjonen for godt samarbeid og ikke minst gratulere saksordføreren, Snorre Valen. Det er veldig, veldig sjelden en får så stort gjennomslag så raskt i ens første sak i Stortinget. Det blir replikkordskifte. Statsråden har understreket behovet for konkurransehensyn, men også hensynet til dette avfallshierarkiet og en best mulig helhetlig forvaltning. Én ting er å se dette i et norsk perspektiv, men historien har på mange måter vist oss at det er viktig å se det gjerne i et nordisk perspektiv. Så mitt spørsmål til statsråden er for så vidt todelt. Det ene er om statsråden vil ta initiativ til en helhetlig gjennomgang. Det andre spørsmålet er om statsråden vil gjøre det i et nordisk perspektiv for å forsikre oss om at vi har et regime på linje med våre nordiske naboer nettopp for å unngå uheldige lekkasjer, som fremfor alt er skadelig for miljøet. Vi vil kontinuerlig vurdere om norsk avfallspolitikk er bra nok. Hvis vi ser store behov for forbedringer, vil vi selvfølgelig komme til Stortinget med det. Jeg er veldig enig i det perspektivet at på dette området som på nesten alle områder er det veldig sjelden lurt å se sin egen politikk isolert. Vi har et veldig godt samarbeid med svenske og danske og finske kolleger på alle områder – for øvrig også med de islandske, selv om det neppe er så relevant her – så vi samarbeider gjerne med dem om dette. Det mest avgjørende er selvfølgelig innspill fra bransjen selv og fra dem som kan dette ut og inn. til deres syn, men det grunnleggende tror jeg regjeringen og Høyre deler, nemlig at det alltid vil være lurt å se dette i en større sammenheng. Man får nesten aldri den beste politikken ved å se Norge som en isolert øy, adskilt fra de andre.
Generelle miljøavgifter gir staten betydelege inntekter utan at dei framstår som noko anna enn fiskale avgifter. Men vi har eit unnatak, og det er NOx-fondet. NOx-fondet kan på mange måtar brukast som eit eksempel på treffsikkerheit som gir forureinar moglegheit til å setje i gang tiltak som er bra for miljøet, og samtidig gir eit økonomisk incitament for også å gjere investeringar som er viktige for miljøet. Har statsråden planar om liknande tiltak som er meir treffsikre og direkte i si form enn det vi ser av dagens generelle avgiftsnivå? Jeg tror vi i utgangspunktet må akseptere at de forskjellige avgifter og skatter vi har, er kilder til inntekt for staten og sånn sett ikke kan øremerkes til et bestemt område. Men jeg tror ikke vi skal avvise at det kan være enkeltområder hvor det kan være fornuftig, foreslås her. NOx-fondet er så langt en veldig stor suksess. Men det hører med til bildet at en grunn til at vi fikk opp NOx-fondet var trusselen om en avgift – som ikke kom. Men legg nå det til side. Det som har vært veldig vellykket med NOx-fondet, er at næringslivet bidrar selv, og at den skaperkraften og entusiasmen som ligger i næringslivet, er blitt mobilisert på en formidabel måte. Det er kommet mange, mange flere ideer enn vi innledningsvis tenkte. Jeg tror at når vi kommer til utredningen av Klimakur i 2011, er erfaringene fra NOx-fondet blant det vi bør ta med oss for å se på om lignende mekanismer bør innføres på klimaområdet for å stimulere teknologisk nyvinning i norsk industri. Det er ikke konkludert om dette. Men jeg mener det er en av de debattene vi trenger i forbindelse med Klimakur. Replikkordskiftet er omme. De talere som heretter får ordet,

etterspør en grundig gjennomgang, og man er misfornøyd med at det tar et halvt til tre kvart år å konkludere med at avgiften bør fjernes. Jeg tror det var nødvendig. Regjeringa har gjort den jobben som ble bestilt av flertallspartiene i statsbudsjettet, nemlig å ha en grundig gjennomgang sammen med aktørene i markedet. Som flere har vært inne på, er denne forbrenningsavgiften egentlig to avgifter. Det er en avgift på de miljøskadelige stoffene som slippes ut av pipa, og det er en avgift på avfall som leveres til forbrenning. Så mener vi, etter den gjennomgangen, at det kan være behov for å se nøyere på konsesjonsgrensen, og at det er virkemiddelet for å redusere utslipp fra pipene. Men den andre avgiften skulle bidra til å gjøre det mer lønnsomt å kildesortere og samtidig være en avgift på CO2 fra forbrenning. I opposisjonens merknader står det at «avfallsenergi er den fornybare energikilde som best kan konkurrere mot fossile brensler». Det er da viktig å påpeke at halvparten av avfallet som forbrennes, er fossilt materiale som prinsipielt burde har flere vært inne på at det er viktig ikke å dempe presset på kildesortering, gjenbruk og gjenvinning. Det man da egentlig har gjort her, er at man har sagt at det implementere en ny teknologi, utbygging av forbrenningsanlegg og fjernvarme i Norge, gjør at vi får en avgiftsreduksjon. Vi bryter med prinsippet om at CO2 egentlig bør ha en avgift. Det mener jeg er en riktig konklusjon nå. Konkurransesituasjonen for avfallsforbrenningsbransjen i Norge er vanskelig, ikke minst som følge av at Sverige har mye høyere energipriser enn vi har. Derfor er vi fra SVs side svært fornøyd med at avgiftene fjernes, men det er også viktig å peke på at de skal evalueres. Hvis konklusjonen blir at avfallsgjenvinning reduseres, må vi se nøyere på regler, f.eks. for forbehandling av avfall før brenning, tiltak mot unødig emballasje, miljøfiendtlige varer som ender som avfall,
Ingen flere har bedt om ordet til sak nr. 3. Etter ønske fra energi- og miljøkomiteen vil presidenten foreslå at sakene nr. 4 og 5 behandles under ett. – Det anses vedtatt. Etter ønske fra energi- og miljøkomiteen vil presidenten foreslå at

Etter ønske fra energi- og miljøkomiteen vil presidenten foreslå at taletiden begrenses til 40 minutter og fordeles med inntil 5 minutter til hvert parti og inntil 5 minutter til statsråden. Videre vil presidenten foreslå at det gis anledning til replikkordskifte innenfor den fordelte taletid på inntil fem replikker med svar etter innlegget fra statsråden.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 til behandling. Når det gjeld Innst. nr. 229 S, blir regjeringa her bedt om at vi i løpet av vårsesjonen 2010 skal fremme eit forslag om å tilpasse lov om motorferdsel i utmark slik at kommunane får auka myndigheit innanfor nasjonale retningslinjer, og der erfaringane frå forsøksprosjektet med auka lokalt sjølvstyre blir lagt til grunn. I brev frå miljøvernministeren, som er lagt ved saka, er det gjort greie for det arbeidet som er gjort, og som blir gjort, når det gjeld revidering av regelverket for motorferdsel i utmark og vassdrag. Det er òg referert til den politiske plattforma for fleirtalsregjeringa, der det står at regjeringa vil fullføre gjennomgangen av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. I og med at ein slik lovgjennomgang er på gang – der nettopp forsøksordninga og erfaringane derfrå er ein del av grunnlaget – foreslår fleirtalet i komiteen at forslaget, altså Dokument nr. 8:72 S for 2009–2010, blir lagt ved protokollen. Alle er einige om at det er nødvendig med ei lovregulering av motorferdsel i utmark. Men mi erfaring er at det har faktisk Noreg klart å handtere bra, heilt sidan desse motorkjøretøya – snøscooterar og motorkjøretøy for utmarkskjøring på barmark – kom på banen. Men det er viktig at ein har eit årvakent blikk på dette, for kjøretøya har òg utvikla seg ein god del dei siste åra. Det som diskusjonen dreier seg om, er kor stramt eller kor liberalt eit slikt lovverk skal vere. Det andre prinsipielle spørsmålet her – som det òg var ein god del diskusjon omkring i samband med eigedomssaka i dag – er kor mykje som skal vere nasjonale lover og reglar, og kor mykje kommunane skal kunne bestemme sjølv. Regjeringa har no arbeidd med å få til eit godt regelverk. Etter oppdrag frå Miljøverndepartementet laga Direktoratet for naturforvaltning eit forslag i 2007. Det var ute på høyring, og dei kom med si tilråding i mars 2008. Målsetjinga med dette arbeidet var å etablere ei ny plattform for framtidig motorferdselspolitikk – ei målsetjing om å redusere omfanget av motorferdsel i utmark. Tilrådinga har saman med rapporten Motorferdsel og samfunn og erfaring frå forsøksordninga og dagens regelverk vore underlagsmateriale for regjeringas arbeid med dette regelverket. Det blei etter mi meining gjort viktige og riktige forskriftsendringar i juni i fjor, som utvida tilgang til næringskjøring i utmark, til gruppeturar med snøscooter og kommunalt organiserte akuttiltak for å redusere påkjørselsrisiko for elg og anna hjortevilt ved veg eller jernbane. Samtidig blei det bestemt at det ikkje skal gjerast forandringar i reglane for bruk av motorkjøretøy på snødekt mark i Nord-Troms og Finnmark. Det blir sett i gang eit eige prosjekt, med sikte på å stramme inn på bruken av motorkjøretøy på barmark i Finnmark. Alt dette stiller komiteen seg samla bak. Det er òg peikt på at den forsøksordninga som har vore, skal halde fram inntil vidare. Eg må understreke at ein i komiteen gir uttrykk for eit visst utolmod. Regelverket har vore til politisk behandling og vurdering i lang tid, og komiteen meiner derfor det er viktig at ei endeleg avklaring knytt til det framtidige lovverket raskt kjem på plass, under dette spørsmålet om kommunane sin tilgang til å opprette rekreasjonskjøring etter eigne traséar, som har vore eit diskusjonstema. I den andre innstillinga, altså Innst. 228 L, fremmar Framstegspartiet eit komplett forslag til lov, med alle paragrafar som høyrer til. Det er Det lyder mest som eit forsøk på ein gest til regjeringa når dei skriv følgjande: «Dermed kan regjeringen spare mye tid og krefter på ytterligere utredninger, og i stedet avslutte saken til glede for det norske folk og seg selv.» Høyrest ikkje dette fint ut? Kan miljøvernministeren avslå eit så generøst grunn til å gå inn i det lovforslaget som her ligg føre. Det kan eventuelt kanskje forslagsstillarane sjølve gjere. Eg vil i denne saka vise til det arbeidet som regjeringa har på gang, og til det arbeidet som ein gjer i denne samanhengen. Fleirtalet foreslår at saka blir

Lov av 10. juni 1977 om motorferdsel i utmark og vassdrag gav større grad av kommunal avgjerdsrett over køyring i utmark, men dette blei igjen avgrensa i 1988, då Stortinget innførte felles nasjonal forskrift som avløyste dei kommunale forskriftene for motorkøyretøy. Denne endringa overlét i realiteten forvaltinga av motorisert ferdsel i utmark til embetsverket hos fylkesmannen. At dette førte til ei meir firkanta forvalting som mista legitimitet, er kjent, og mest vernehissige ser behovet for ei endring. Der ein lokalt tidlegare såg på scooterkøyring som nærmast problemfritt, har ein no fått eit forvaltingsregime som mange lokalt ikkje ønskjer. Lat meg berre understreke omgåande: Alternativet er ikkje nærmast ei lovlaus fritt fram-haldning, men ei fornuftig endring som varetek lokale, næringsmessige og ikkje minst Universal utforming er eit omgrep som er lovmessig godt forankra i plan- og bygningslova. Kva då med alle desse som er avhengige av motorisert assistanse for å kunne nyte natur og fjellandskap, med dei kvalitetane som vi alle ser ligg i det – spesielt på bakgrunn av at beltedrivne køyretøy som snøscooter og beltevogn ikkje skadar faunaen så lenge dei blir brukte på snødekt mark? Likevel er det sterke avgrensingar, og det er mange eksempel på rigid, lite formålstenleg forvalting. Ein ser ofte eit betydeleg konfliktnivå mellom lokalbefolkninga sine interesser på den eine sida og den statlege forvaltinga på den andre sida. Men så har ein på bakgrunn av sterkt lokalt og regionalt press fått akseptert forsøksordningar som haustar lovord, og som ein anbefaler sterkt. Ein har altså gode referansar for å kunne følgje opp eit løfte frå statsråden om å leggje fram ein lovproposisjon i 2009. Dette løftet har dessverre ikkje blitt halde. Likevel ser vi at motstanden mot ei fornuftig liberalisering av motorferdsel i utmark fører til at denne saka støtt blir utsett. At dette er ein strategi som er reell, tviler dei færraste på. Strategien gjer ein bruk av i ei rekkje saker som krev kompromiss. Eksempel på det er forvaltingsplanar, tildelingsrundar osv. Igjen framstår regjeringskameratane som sterkt ueinige, og Senterpartiet må igjen gi tapt for det som framstår som caffè latte-SV med alle fullmakter. Framstegspartiet har gjort ein jobb. Vi har lagt fram eit direkte lovforslag i dag. Vi har lagt mykje arbeid i det, og vi ønskjer å gjere det på denne måten for å synleggjere at vi er på distrikta si side når det gjeld motorisert ferdsel og behovet for ei liberalisering. Med dette fremmer eg Framstegspartiet sitt forslag. Presidenten vil først bemerke at det ikke er noe som heter «caffè latte-SV». Ellers har representanten tatt opp det

et skoleeksempel på hvordan man setter til side befolkningens mulighet til å påvirke styrende myndigheter. Som lokalpolitiker deltok jeg i høringsprosessen om loven i 2007. Høringen ble sendt ut med det som etter vår mening var en ganske kort høringsfrist. Det ble uttrykt et ønske fra oss om å utsette fristen, slik at de nyvalgte lokalpolitikerne høsten 2007 kunne få ta stilling til loven. Dette var etter departementets mening ikke mulig, da man hadde som intensjon å fremme loven for Stortinget i løpet av ganske kort tid. Lovforslaget var, som det forelå, et klart brudd med den politikken alle partier unntatt SV til da hadde ført på dette feltet. Dette bekreftes av det rekordstore antallet høringsinstanser som kom inn i anledning Det store flertallet var imot innstillingen fra direktoratet. Så har det altså gått gode to og et halvt år uten at noe særlig har skjedd. Det siste vi har fått høre, er at loven ikke skal fremmes. Man skal heller styre i form av forskrifter. Dette er et kroneksempel på at SV i regjering bruker alle midler for å tvinge gjennom sin politikk. Høring er en viktig del av den demokratiske lovgivningsprosessen vi har i Norge. Da SV her oppdaget at høringen ikke ga de svar de ville ha, og det viste seg at man ikke klarte å trøtte ut motstanderne på et par år, gikk de heller til det skritt ikke å fremme loven for Stortinget. Dette er å sette lokaldemokratiet til side, og er en ganske så forkastelig holdning fra Spørsmålet er: Kan lokalpolitikerne overta et så stort ansvar som motorferdselloven? Først er det slik at lokalpolitikerne har ansvar for både barn, unge og eldre ute i kommunene. Barns, unges, voksnes og eldres helsetjenester er det lokalpolitikerne som forvalter. Sosialtjenester til både liten og stor er det altså lokalpolitikerne som forvalter. Det er faktisk slik at lokalpolitikerne allerede har et ganske så stort ansvar det skulle da bare mangle! SV oppviser en fantastisk forakt for lokaldemokratiet med sitt mantra om sentralstyring, sentralstyring og sentralstyring. Lokaldemokratiet handler om muligheten for å ta konkrete grep i lokale problemstillinger. En lokal forvaltning av motorferdselloven etter statlig vedtatt rammeverk vil etter Høyres mening åpne for flere gode ting. Det er faktisk slik at lokal selvråderett gir økt bolyst. Det er også slik at lokal selvråderett, etter vår mening, gir større ansvar og forståelse for at man både skal ta hensyn til miljø og til natur. Det er også slik at lokal selvråderett gir mulighet til å finne smidige kompromisser som tar hensyn til flere lokale behov. Man har faktisk et næringsliv der ute som har et behov. Det er mulig å møte kulturelle behov, det er mulig å møte behov sett i lys av historien, og det er mulig å møte lokalbefolkningens behov for friluftsliv og bruk av naturen på forskjellige måter rundt om i landet. Det er disse hensynene man bare kobler av når man fører en så rigid, udemokratisk og sentralstyrt politikk som den statsråden her står Som avslutning vil jeg ta opp Høyres forslag. Representanten Frank Bakke Jensen har tatt opp det forslaget han refererte til. Dette er ei sak som er ein gjengangar i vår komité – og med rette – sidan dette regelverket enno ikkje er komplett revidert. Motorferdsel i utmark fekk auka fokus då Direktoratet for naturforvalting i 2008 la fram forslag til ein ny lov, og mange av elementa i forslaget skapte stor debatt, forståeleg nok. Det er framleis uavklarte spørsmål i kjølvatnet av dette. Samtidig er det viktig å understreke at regjeringa har klarlagt ei rekkje reglar til snøscooterkøyring, alt frå kommunalt organiserte tiltak for å styrkje trafikktryggleiken – næringskøyring i utmark har vore eit viktig spørsmål – til gruppekøyring med snøscooter for eldre eller rørslehemma eller andre som har problem med å kome seg ut i naturen. Men så står det att eit viktig spørsmål, og det er jo spørsmålet om rekreasjonskøyring. Det har regjeringa sagt tydeleg at ho vil kome tilbake til. Vi veit at desse åtte kommunane har hatt ei forsøksordning der ein har hatt moglegheit til å opprette løyper for rekreasjonskøyring. Dette har vore praktisert ulikt mellom kommunane. Ein har gode erfaringar og fått ei rekkje positive tilbakemeldingar på korleis dette fungerer, og i mange kommunar har dette bidrege til at det har blitt mindre ulovleg køyring. Køyringa har blitt styrt inn mot løyper, og det har sikra mindre belastning på sårbare naturområde. Dette gjer sitt til at det er eit stort engasjement for at desse forsøksordningane skal og bli utvida, sjølvsagt, til kommunar som ikkje har denne moglegheita i dag. Vi i Senterpartiet meiner at dei gode erfaringane som forsøket har hatt, gir eit godt grunnlag når ein skal gjere eit endeleg vedtak i høve til rekreasjonskøyring. Så vil eg fyrst rose saksordføraren, Rudihagen, for ein god gjennomgang, og meg bak eit utolmod med omsyn til å få ei avklaring på dette spørsmålet. Neste taler er Snorre Serigstad Valen. Representanten Valen får ordet etter representanten Sande, fordi han tegnet seg på talerlisten etter at Sande var annonsert som neste taler. Normalt ville SV gått foran Senterpartiet her. Jeg må innrømme at Senterpartiet og SV er ganske jevnstore, så det er ikke knyttet noe stort ego til talerrekkefølgen for Jeg må innrømme at Senterpartiet og SV er ganske jevnstore, så det er ikke knyttet noe stort ego til talerrekkefølgen for min del. Representanten Grimstad viste til det han kalte caffè latte-SV. Jeg tror ikke det begrepet er særlig relevant i diskusjonen her. For det første står SV sterkt både i bygd og i by. For det andre er det ingen overraskelse at et stort flertall i byene er motstandere av en liberalisering av adgangen til motorisert ferdsel i skogene og på vidda. Men det er også verdt å merke seg, og det bør Fremskrittspartiet få med seg, at mer enn 40 pst. av bygdefolket sier de er imot en oppmykning av reglene. I tillegg mener mange at regelverket bør være sånn som det er i dag. Det er altså langt færre som ønsker et frislipp på dette området enn det forslagsstillerne kanskje måtte tro, eller like å gi inntrykk av. Dette minner meg om det Høyre gjorde til et poeng i salen tidligere i dag, nemlig at folk som bor og jobber nær naturen – og som gjerne også lever av den – har et spesielt forhold til de verdiene naturen representerer. Norsk institutt for naturforskning har følgende legge ut rekreasjonsløyper kan synes vanskelig å forene med målsettingen om å redusere støy- og trafikkbelastningen totalt sett.» Jeg er tilhenger av forsøksordninger. Imidlertid kan det synes som om erfaringene fra motorferdselforsøket viser at målsettingen ikke er nådd. Vi havner derfor i mye av den samme diskusjonen som vi hadde en grundig runde på i INON-saken tidligere i dag – samspillet nasjonale mål for miljø og forvaltning bestemt av Stortinget på den ene siden og lokal selvbestemmelse på den andre. Nasjonens distriktsbarometer sier oss at det ikke er et bredt folkekrav om å slippe løs motorisert ferdsel i utmark. I tillegg er det svært gode argumenter mot nettopp et slikt grep rent faglig sett. Legger man til forskriftsendringene fra i fjor sommer som regjeringen gjennomførte, og det faktum at regjeringen i skrivende stund vurderer om det er behov for endringer i regelverket, ser jeg liten grunn til å ta dette forslaget videre. Jeg føler meg trygg på at regjeringen vil finne gode løsninger både for lokalsamfunn og for lokalbefolkning. Så må Høyre begynne å bestemme seg. Representanten Frank Bakke Jensen beskriver en virkelighet der det forkastelige regjeringspartiet SV bruker alle midler for å kjøre over regjeringspartnerne og få sin politikk igjennom. Jeg kan knapt tenke meg en større kontrast til den virkelighetsbeskrivelsen Høyre turnerte tidligere i dag. Da var angrepene på SV at vi ikke hadde gjennomslag i regjering. Jeg takker representanten Bakke Jensen for tilliten til SVs gjennomslagskraft på naturfeltet, men kan forsikre representanten om at anklagene om forakt for lokaldemokratiet er høyst gjensidige. Jeg opplever det som litt provoserende hele tiden å høre Høyre trekke fram lokaldemokratiet. Jeg har selv sittet både i kommunestyre og i fylkesting og sett effekten Det er ikke en politikk som er bra for lokalsamfunn og lokaldemokrati. Salg av offentlig eiendom Kommuneøkonomien som Høyre gjennomførte da de satt i regjering, kan ikke akkurat sies å være et slag for lokaldemokratiets handlingsrom. Tvert imot vitner det om mistillit. Den viljen Høyre hadde sist de satt i regjering til å tvinge kommuner til å slå seg sammen, lar seg vanskelig forene med begrepet «lokaldemokrati». Den massive privatiseringen av skoler, som Høyre la opp til, med et finansieringssystem som i mange tilfeller belønnet privatskoler med mer penger per elev enn hva det offentlige kunne tilby, vitner ikke akkurat om tillit til lokaldemokratiet. Høyre bør tone ned sin kjepphøyhet på feltet lokaldemokrati en smule. For det er mange i denne salen som selv har opplevd konsekvensen av Høyres politikk i praksis i lokalsamfunn. Motorferdsel i utmark er en sak som vi hadde mange ganger til behandling i denne sal i forrige periode. Det skyldtes vel først og fremst at regjeringen gikk høyt på banen for at det skulle tas nye grep innen motorferdsel i utmark. De grepene som ble foreslått av Direktoratet for naturforvaltning, må vi kanskje kunne si ikke var så vellykket når vi nå ser hva regjeringen gjør med dem. Veldig mange av dem ble lagt i en skuff. Dette kan skyldes at forvaltningen og til dels det politiske systemet ikke hadde nok kunnskap om dette – de rørte iallfall ved en følelse av selvbestemmelse for mange mennesker rundt omkring i hele Norge. Denne følelsen av selvbestemmelse i forhold til motorferdsel var ikke forenlig med de forskjellige forslagene som kom fra direktoratet og også til dels fra andre politiske røster. Kristelig Folkeparti har en balansert politikk når det gjelder motorferdsel. Vi ønsker en restriktiv politikk på vegne av miljøet, men vi ønsker også å legge til rette for bruk av naturen når det er forenlig med miljøet. Jeg tror at vi alle er tjent med å ha et balansepunkt på disse områdene – å legge til rette for, men også å ivareta. Det er bare gjennom det vi kan være de gode forvaltere som velgerne har satt oss til å være på vegne av nasjonen Norge. I store og små kommuner, langt fra Oslo og i nærheten av Oslo er det dette balansepunktet vi må vektlegge. I regjeringens politiske plattform står det at regjeringen vil fullføre gjennomgangen av lov om motorferdsel i utmark. skal gå igjennom alle de gjenstående spørsmålene og legge fram for Stortinget hvorvidt det er behov for endring i regelverket knyttet til motorferdsel i utmark. Det som etter mitt inntrykk har skapt litt av debatten, er den misforståelsen at når Direktoratet for naturforvaltning legger fram et synspunkt basert på deres beste faglige råd, er det identisk med hva regjeringen måtte mene. Som jeg har vært inne på i Stortinget tidligere, mener jeg at vi er suverent best tjent med at underliggende etater legger fram sitt syn – på basis av sine faglige vurderinger til offentlig belysning – og ikke at de er skjødehunder for regjeringen, som legger fram det regjeringen har bedt dem om å legge fram. Den instruksen er sendt til riksantikvaren, til Direktoratet for naturforvaltning, til Statens forurensningstilsyn osv. Jeg skulle tro at det også burde være i Stortingets interesse, fordi man da får den beste faglige belysningen av de ulike sakene. Så er det opp til politikken å stå for kompromissene mellom ulike hensyn. Det er også det regjeringen gjør for å finne en balanse – for å bruke Line Henriette Hjemdals begrep – mellom de faglige vurderingene som Direktoratet for naturforvaltning legger fram, ut fra et naturståsted, og de mange andre hensynene i denne saken. Derfor la regjeringen i juni 2009 fram endringer i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark. De endringene åpnet for næringskjøring i utmark, de åpnet for adgang til gruppeturer med snøscooter for funksjonshemmede og andre, og de gikk inn for tiltak som skulle redusere påkjørselsrisiko for vilt. Det ble også gjort klart at det ikke ville bli gjort noen endringer i regelverket for bruk av snøscooter mellom bilvei og hytte som ligger mer enn 2,5 km fra brøytet bilvei. Samtidig med behandlingen av forskriftsendringer bestemte vi at det ikke skulle gjøres endringer for bruk av motorkjøretøy på snødekt mark i Finnmark og Det som er regjeringens ståsted, kunne ikke vært uttrykt bedre enn det Kristelig Folkeparti la fram her, nemlig at man må finne en balanse mellom ulike hensyn. Jeg må si jeg er urolig over den tendensen som vi lenge har sett i Fremskrittspartiet, men som nå ser ut til å være en tendens også i Høyre, nemlig at man i sak etter sak skal følge dem som roper høyest i enhver sak. Det er ikke alltid slik at et mindretall som roper høyt, gir uttrykk for hva flertallet i befolkningen ønsker. I saken om snøscooterkjøring vet vi at et klart flertall – og da snakker vi ikke om caffè latte-drikkende folk på Grünerløkka eller Frogner, men et klart flertall i Distrikts-Norge – mener at vi skal beholde dagens regelverk eller ha et mer restriktivt regelverk. Så det er altså ikke dekning for å si at de som roper høyest om fri motorisert ferdsel i utmark, er et representativt utvalg for Jeg er urolig over at vi stiller oss i en posisjon hvor de som roper høyest, skal være de det lyttes mest til – i stedet for, som jeg har sagt her flere ganger, det tause flertall. Det tause flertall er enig i Stortinget og regjeringens rovdyrpolitikk, og det tause flertall – også det tause flertall i Distrikts-Norge – er enig i Stortinget og regjeringens motorferdselspolitikk. Vi skal balansere ulike hensyn, og så får vi rik anledning til å komme tilbake til det som Erling Sande var inne på, nemlig hva regelverket for rekreasjonskjøring skal være. Jeg må bare til slutt si – litt i forlengelsen av den første debatten – at vi skal være forsiktige i Stortinget med å dele befolkningen inn i to grupper og appellere til DistriktsNorge mot byene og så neste gang sende noen andre representanter fra de samme partiene for å appellere til byene mot distriktene straks en annen sak er oppe. Det å bruke disse sakene til å spille på negative holdninger mot folk som tilfeldigvis bor i byer – jeg vil særlig minne Høyre om at de har veldig mange velgere som bor i byer. Folk som bor i Oslo, på Hamar og i Tromsø er også meningsberettiget i snøscooterpolitikken, akkurat som folk i Distrikts-Norge er meningsberettiget i spørsmålet om Bjørvika eller hva slags opera vi skal ha, eller andre spørsmål i Oslo. Vi er ett land, og alle er meningsberettiget om hverandre. Vi skal ikke appellere til fordommer i Distrikts-Norge mot byene når vi har én type debatter, og fordommer mot Distrikts-Norge hos folk i byene når vi har andre typer debatter. Det blir replikkordskifte. Det er sjelden jeg opplever et innlegg fra en statsråd som er relevant til det vi diskuterer, når han påberoper seg den tause majoritet og bla, bla, bla. Slike majoriteter avspeiler seg i valg. Jeg forstår ikke hva statsråden frykter, hvis han faktisk mener at det store flertall av det norske folk en restriktiv snøscooterpolitikk, ved å delegere dette til kommunene der det norske folk bor og kan påvirke ved valg hva slags politikere de velger inn. Det som jeg likevel skal utfordre ham på, går litt på det som står i merknadene fra en samlet komité, der til og med de rød-grønne partiene sier at det er viktig å få en endelig avklaring knyttet til framtidig lovverk, og at Da er spørsmålet mitt til statsråden: Hvordan tolker han ordet «raskt» i denne sammenhengen? Kan vi forvente at dette kommer på plass før lokalvalget i 2011, for å være rimelig? Ja, man kan forvente at det kommer på plass i stortingsåret definert på den måten, altså før lokalvalget i 2011. Det kan man forvente, Ja, man kan forvente at det kommer på plass i stortingsåret definert på den måten, altså før lokalvalget i 2011. Det kan man forvente, men for øvrig vil ikke jeg gå inn på noen bestemt dato for det. Jeg vil bare minne om at det er ikke slik at vi er uten regelverk, det er ikke slik at det ikke pågår snøscooterkjøring i Distrikts-Norge. Dette pågår for fullt hele vinteren, jeg har selv kjørt snøscooter i vinter. Det pågår, og regjeringen har avklart de aller fleste av de sakene som var berørt. Jeg kan godt gjenta det jeg sa, men det blir litt kjedsommelig. Vi har altså avklart regler for næringskjøring i utmark, vi har avklart spørsmålet om gruppeturer, vi har tatt initiativ når det gjelder barmarkskjøring, vi har avklart spørsmålet om kjøring til hytter som ligger innenfor to fra ubrøytet vei. Så vi har avklart de aller fleste spørsmålene. Det eneste spørsmålet av noe omfang som gjenstår, er spørsmålet om rekreasjonskjøring, og det vil vi komme tilbake til. Nok en gang ser vi eksempel på regjeringens handlingslammelse, dessverre. Høyre vil gjøre det helt klart at vi i denne saken med fri flyt av scooterkjøring, men det trengs en avklaring. Statsråden, som selv hvor viktig denne saken er. På Røros, i Selbu, i Holtålen betyr denne saken ufattelig mye. Over hele landet ønsker man en avklaring fra regjeringen i denne saken. Derfor må nok regjeringen snarest mulig komme med en avklaring, og la oss kalle en spade for en spade. Kan statsråden svare på:

For det første vil jeg, som jeg gjorde i stad, på det aller sterkeste tilbakevise at vi har en handlingslammet regjering. Vi har den mest aktivistiske regjering på miljøområdet som Norge noensinne har hatt, og vi har en liste over ting vi har gjennomført på miljøområdet, som Bondevik-regjeringen ville vært stum av misunnelse over, Når det gjelder denne ene saken, har jeg også sagt at vi har klarlagt politikken på nær sagt alle områder på snøscooterområdet. Det drives snøscootervirksomhet i Norge i dag. Folk kjører snøscooter alle de stedene som ble nevnt her. Det eneste spørsmålet av betydning som vi vil komme tilbake til, er spørsmålet om rekreasjonskjøring. Jeg tror det vanskelige der er akkurat det som Line Henriette Hjemdal pekte på, at vi trenger en balanse mellom det ønsket som noen har om å komme raskt og effektivt ut i naturen på snøscooter, og det ønsket som mange andre har, om at naturen også skal være et sted man kan oppleve stillhet og ro og ikke bli plaget med unødig
Jeg ble litt provosert over statsrådens uttrykte tause flertall, i hvert fall i noen kommuner. For å ta ett eksempel: I Åsnes kommune sa de ja til å starte en snøscooterled – en kort led, men for den bedriften som søkte, ville dette bety ganske mye, og folk var med på dette. Kommunen sier ja, bare kjør i gang, mens fylkesmannen sier nei, i henhold til de paragrafer som finnes. statsråden dette er riktig behandling av et lokaldemokrati som ønsker snøscooterkjøring i form av næringsdrift? Jeg kjenner ikke denne saken i Åsnes og ber om respekt for at jeg ikke kan uttale meg om den på sparket. Men jeg prøver å få oppmerksomheten til Stortinget på det faktum at det er farlig hvis politikerne alltid blir løpende etter de gruppene som snakker høyest. De gruppene som snakker høyest, er ikke alltid representative for det store flertallet. Nå påviste Snorre Serigstad Valen her at det er veldig gode data for å si at et stort flertall også i Distrikts-Norge mener at dagens regelverk er bra. Et stort flertall mener at man bør ha stramme regler på dette området. Så får vi se på akkurat hvordan vi skal utforme dem, men det er ikke slik at et stort flertall noe sted, verken i byer eller i Distrikts-Norge, ønsker et totalt frislipp på dette området.

Et stort flertall i Distrikts-Norge erklærer i de meningsmålingene som er forsøkt gjort på dette området, at man ikke kan ha noe totalt frislipp på dette området, men bør ha enten dagens regelverk eller et strammere regelverk. Det betyr ikke at de sitter med den eneste fasiten, den ene sannhet, men jeg går ut fra at representanten Gundersen ikke er enig i at det bare er de som ønsker å få lov til å kjøre snøscooter akkurat når de selv vil, vi skal lytte til. Vi må også ha anledning til å lytte til de mange menneskene i DistriktsNorge som ønsker å kunne gå på en skitur uten å bli forstyrret for mye, som ikke ønsker at det skal være veldig mye bråk oppå vidda når man går på ski. Dette er et stort antall mennesker med ulike oppfatninger. Heldigvis fikk vi fra Høyre i Sør-Trøndelag noe som jeg mener var et veldig godt innlegg, nemlig om at Høyre ønsker å balansere de ulike synene opp mot hverandre og finne fram til noe som er i alles interesse. Det er regjeringens politikk også, men jeg registrerer at Gundersen alltid er på linje med dem som roper høyest.
Nei da, det er jeg ikke. Jeg stiller meg helt klart bak representanten Hofstad Helleland. Jeg har poengtert mange ganger at det skal skje innenfor fornuftige, regulerte måter. Men jeg må også si at det er underlig at man så til de grader avfeier at det lokale demokratiet faktisk kan klare å håndtere dette på en ganske bra måte. For det er det vi snakker om – at man lokalt kan få muligheten til å lage f.eks. en snøscooterled. Det eksemplet som Bredvold var ute med, er jo ganske godt. Det er ikke bare det at fylkesmannen har reagert på et avslag. Han har reagert på et avisoppslag der kommunen indikerte at man ville gå for en led som går noen kilometer for å komme seg inn i Sverige. Fylkesmannen skrev da brev til Åsnes om at han ville komme til å endre vedtaket hvis Åsnes gjorde et sånt vedtak. Det kaller jeg kraftig overstyring av det lokale selvstyret. Det er ingen tvil om at det er stort flertall i Åsnes for det.
Jeg registrerer at representanten Gundersen sier at han ønsker en balanse. Han sier han ønsker balanse i rovdyrpolitikken. Han sier han ønsker balanse i snøscooterpolitikken. Men samtlige ganger det kommer spørsmål i Stortinget, samtlige ganger representanten Gundersen tar ordet her, er det ikke for å skape balanse, men for at det skal være fritt fram fritt fram til å redusere rovdyrbestandene langt utover hva Høyre en gang var enig i i Stortinget, og som jeg faktisk tror Høyres ledelse fortsatt er enig i, men som representanten Gundersen alltid stiller kritiske spørsmål til. Det samme på dette området: Hvis Høyre ønsker en balanse på dette området – mellom det legitime ønsket om å kunne kjøre scooter og det andre legitime ønsket om å kunne oppleve ro og fred i naturen – kan vi ha en dialog. Hvis det Gundersen ønsker, er bare fritt fram,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
Jeg tror ikke dette handler om å slippe løs alt. Jeg tror heller ikke at det handler om å slippe alt fritt fram, slik statsråden sier. Det handler om kontrollerte former. Dagens debatt om ny lov om motorferdsel i utmark og vassdrag dreier seg om en stor og viktig sak. Det handler om naturen, naturens muligheter og hvordan vi mennesker kan bruke disse på en fornuftig måte til alles beste. Det handler om muligheter til rekreasjon, det handler om å forflytte personer eller varer fra a til b, det handler om distriktspolitikk, og det handler om turisme og reiseliv og om næringslivets muligheter generelt. Jeg vil si det så sterkt at for enkelte distrikter, bl.a. deler av Hedmark, vil en mykere og mer fornuftig lov om motorferdsel, slik Fremskrittspartiet vil ha, gjøre at distriktene vil vokse og livskvaliteten blomstre. Det er ikke det at vi vil la folk kjøre som tullinger, men i ordnede, godkjente traseer, eller leder, som det heter. I dag sliter distriktene med fraflytting, forgubbing, et magert næringsliv og ellers ikke altfor mye som tyder på en altfor stor optimisme. I dag er det spesielt Sverige, men også Finland, som tjener stort på våre strenge regler om motorferdsel. Svært mange med denne interessen reiser inn i disse to landene for å kjøre. De har med seg venner og familie, leier seg inn på en hytte, et hotell eller lignende, kjøper alt av tjenester og legger igjen mye penger. Dette er penger som våre reiselivsaktører og andre næringsdrivende i Norge Med en lang og kald vinter, hvor mange overnattings- og turiststeder må stenge, eller i hvert fall permittere sine ansatte, kunne det å tilby snøscooterkjøring i en eller annen form være gull verdt. Et eksempel på hvordan loven fungerer, er hvordan fylkesmannen i Hedmark omgjorde et positivt vedtak i Åsnes kommune om å tillate Dæsbekken Villmarkssenter å Dette er en lokal bedrift som har utviklet seg positivt gjennom mange år, og som ønsker å kunne tilby enda bedre tjenester, samt styrke sysselsettingen, ved å tilby snøscooterkjøring. Åsnes kommune sier ja, men fylkesmannen, som sagt, sier nei, i henhold til nasjonal forskrift § 5 første ledd bokstav d. Det er ikke lett å forstå dette, og slike vedtak som fylkesmannen her gir, øker heller ikke næringslivets lyst til å prøve å utvikle seg. Det er skuffende at regjeringen, med Senterpartiet og Arbeiderpartiet, ikke har ønsket å bidra til en oppmykning av betydningen av motorferdsel. At SV ikke ønsker det, er ingen overraskelse, men med så mange distriktsrepresentanter skulle man tro at det ikke bare er Fremskrittspartiet og Høyre som ønsker en slik oppmykning. Dette er et bevis på at skal man ha en god distrikts- og næringspolitikk, er det Fremskrittspartiet som har løsningen. Jeg synes det er godt at det slås fast for alle at dagens lovverk ikke er tilpasset dagens situasjon. Selv om statsråden peker på flere ting som er grepet fatt i, er i hvert fall min oppfatning og min tilbakemelding fra lokalmiljøene at dagens lovverk ikke er tilpasset dagens situasjon. Vi har et lovverk. Mange føler at det ikke er balanse i dagens lovverk. Det er det som er utfordringen, og vi snakker ikke om totalt frislipp. Jeg forstår veldig godt at det har tatt lang tid for regjeringen å behandle denne saken, for med det utgangspunktet som en hadde, om å stramme inn, blir det nærmest umulig å bli enig om en løsning som kan ivareta de forskjelllige distriktenes interesser. Jeg kan ikke forstå hvordan de skulle få det til, og det er akkurat det som er intensjonen i Høyres forslag i denne saken. Jeg må si at det er få saker der det har vært så stort engasjement fra begge sider – hvis vi skal kalle det det – som har hatt samme konklusjon: Her trenger vi ikke de strenge nasjonale føringene, men vi trenger mulighet til å avgjøre det lokalt. Én kommune vil slippe litt opp på én ting, for det har de behov for, og stramme inn på det andre – en annen kommune akkurat motsatt, ut fra hva de har av utfordringer, om det er næring knyttet til landbruk og friluftsliv, om det er reiseliv – eller hva det måtte være. Det blir umulig å ivareta i strenge nasjonale føringer. Jeg lurer på hva det er som gjør at statsråden er så livredd for dette lokale selvstyret. Jeg oppfatter det slik at de lokale vil ta vare på naturen, de vil se på virkeligheten rundt seg, og de vil være restriktive, uansett hvem som har det politiske flertall i den kommunen. Jeg vil til slutt bare fortelle at det skulle legges til rette for en bane for vannscootere. Det er jo noe av den samme problematikken: Forstyrrer de andre? Er det mye støy osv.? NRK skulle lage en reportasje om det og fikk kjempeproblemer da de skulle filme, fordi den følgebåten som de satt i, lagde langt mer støy enn scooteren som de skulle lage en reportasje om, lagde. Jeg føler at en del av påstandene i denne saken Jeg håper at statsråden igjen vil se på hvordan en kan tilpasse til et lokalt, fornuftig styre, og legge til rette for virksomheten som gjelder ikke minst snøscooter. Dette er en sak som har vært en gjenganger i denne salen, iallfall siden jeg kom inn på Stortinget i 1997. Man er vel i realiteten kommet like langt – eller like kort. Jeg har hørt mange statsråder stå på denne talerstolen og debattere denne saken, men jeg har aldri hørt – aldri vært i nærheten av å høre – en statsråd som har holdt et slikt innlegg, uten substans, som vi har hørt i dag. Det har i denne saken vært overfladisk snikksnakk fra statsråden. Han går ikke inn på det som er temaet, men kommer med svulstige og merkelige formuleringer. Man viser til det tause flertallet og tar det til inntekt for at man er enig med regjeringen. Jeg tror det tause flertallet sitter hjemme og har gitt opp, sitter hjemme og hvor mange ganger skal man høre en argumentasjon, etter dette? Statsråden viser til meningsmålinger. Er det meningsmålinger som danner grunnlaget for regjeringens politikk? Vi i Fremskrittspartiet blir kritisert for at vi – holdt jeg på å si – tar ordet og forsvarer dem som roper høyest. Nei, vi gjør ikke det. Vi har ment det samme siden jeg kom inn på Stortinget i 1997, og lenge før den tid. gruppe som ofte roper ganske høyt, og det må de få lov til, er norske bønder når det gjelder landbruksoppgjøret, og vi er altså ikke i den gruppen som kommer løpende etter dem med mer penger. Så jeg synes det er – jeg vet ikke, president, om det er lov å si det – en slett måte statsråden argumenterer på. Jeg må si at jeg blir ganske, ganske opprørt når jeg hører det i denne saken. Det også kommet en del kritikk mot Høyre i denne saken. Det synes jeg er helt riktig, for Høyre har svingt etter hvor vinden har blåst. Når Høyre er i opposisjon, er de tilhengere av å endre loven. Når Høyre har vært i posisjon, har sittet i regjering, har de ikke løftet en finger for å få gjort noe som helst. At noen kritiserer Høyre – og Snorre Serigstad Valen gjør det – synes jeg faktisk er helt på sin plass. også til at det var 40 pst. som var imot en oppmykning av loven. Da er det vel kanskje også en viss prosent som er for endring av loven. Jeg skal ikke belære fra SV i så måte. Det er ett parti jeg savner i denne debatten, og det er Senterpartiet. Jeg har drevet mange valgkamper mot Senterpartiet, og det er ikke måte på sterk stemmebruk og kraftig argumentasjon når de i valgkampen forteller at de skal endre loven. Men når det kommer til debatt i denne salen, er det bare ett innlegg som kommer fra Senterpartiet. Hvor er resten av

representanten Hofstad Helleland tidligere sa. Jeg er også rimelig sikker på at sterk statlig overstyring skaper ulovlig kjøring og skaper avmakt. Det gjør at man distanserer seg fra det som er målsettingen med et lovverk. Det bør kanskje statsråden snarest begynne å innse. Jeg tror at det å gi tillit og ansvar ut til gjør at man kommer til å få en meget forsvarlig politikk på dette, som også er lokalt tilpasset, på den måten Harberg så utmerket sa. Så kom det til et par andre ting. Representanten Korsberg var kritisk til Høyre. Det var Børge Brende som satte i gang prøveordningen. Han fikk ikke gjennomført den, slik at han fikk se resultatene av den. Men det er åpenbart at det er første steg i forhold til å kunne dokumentere at man får akkurat de effektene man ønsker av å plassere ut ansvaret her. Så den kritikken synes jeg skyter langt over mål. Det Børge Brende gjorde, var egentlig å gjøre det slik som vi i Høyre liker. Vi liker å prøve å dokumentere hvordan den politikken vi ønsker å drive, virker. Det har vi fått i ettertid. Etter at Børge Brende gikk av, har vi fått resultatene. Dermed slåss vi for en annen politikk. Nå ser jeg at Frank Bakke Jensen har kommet tilbake i salen. Jeg hadde egentlig lovet at jeg skulle forsvare ham litt også, siden han var i Her og nå og snakket om motorisert ferdsel i utmark. Representanten Serigstad Valen var litt inne på at Bakke Jensen hadde angrepet SV for å ha for stort gjennomslag. Men det er jo veldig stor forskjell på Bakke Jensen hadde angrepet SV for å ha for stort gjennomslag. Men det er jo veldig stor forskjell på gjennomslag og utsettelsesgjennomslag. Nå har man bare gjennomslag for å utsette enhver endring av politikken, og det oppfatter jeg som noe annet enn sterkt gjennomslag i regjeringen. Den reglementsmessige tiden for formiddagens møte er over. Presidenten vil foreslå at dette møtet fortsetter til sakene nr. 4 og 5 er avsluttet – og anser det Presidenten vil foreslå at dette møtet fortsetter til sakene nr. 4 og 5 er avsluttet – og anser det som vedtatt. Høyre frykter at denne saken blir trenert frem til 2013, selv om statsråden fortvilet prøver å fremstille det som noe Og det er ikke riktig heller – slik jeg oppfatter det – at det bare er rekreasjonskjøring det strides om. Det er også flere sider ved denne saken som må avklares. Jeg vil likevel rose statsråden for én ting: Jeg er veldig glad for at statsråden har kastet fra seg forslaget fra DN rett i søpla der det hører hjemme. For hvis regulering var ført i pennen av byråkrater som knapt før har sett en scooter, ville den nye loven mistet all sin troverdighet. Det som nå er utfordringen, er å finne fornuftige avveininger, der ulike hensyn avspeiler den lokale virkeligheten rundt omkring i Alle – eller i hvert fall de fleste – er jo enige om at man må ivareta ulike hensyn, både vern av natur og miljø og å balansere den praktiske nytten av snøscooter. Jeg er dermed veldig overrasket over at statsråden fra denne talerstolen mistenkeliggjør opposisjonens motiver i denne saken, nemlig at det som står bak vårt engasjement. Til statsrådens orientering: Dette stemmer ikke overhodet. Er det én sak jeg har fått mange henvendelser om i den tiden jeg har sittet på Stortinget, er det nettopp denne saken. Det er fordi folk der ute ikke forstår hva som foregår. Og det er jo ikke noe rart, for Senterpartiets folk Stortinget reiser rundt i hele landet og forteller at regjeringen skal gjøre noe med denne saken, vi skal liberalisere lovverket, vi skal forenkle, vi skal gi mer makt til kommunene. Så reiser SVs folk rundt i landet og forteller at her er det en mer restriktiv politikk som skal legges til grunn, og at forslaget fra DN er meget bra. Det er ikke rart at folk blir forvirret. Folk der ute, folk rundt omkring i ønsker en avklaring, ja de forventer en avklaring. Jeg synes det er pinlig at det ikke kommer et svar. Regjeringspartiene kan ikke fortsette å håndtere folk på denne måten. Nå er det på tide at de sier klart fra hva de har tenkt å gjøre i denne saken. Så får man heller være ærlig. Hvis det er at det er helt umulig for Senterpartiet og SV å komme til en enighet, får man heller si det, istedenfor å holde folk for narr på denne måten.
siste talaren kan eg berre vise til det som står i innstillinga, nemleg at vi vil ha ei avklaring så raskt som mogleg, medrekna rekreasjonskøyring og moglegheita for det etter faste leier, faste spor. Det er har vore ein del diskusjonar omkring. Så må eg minne om at det trass alt er føreteke ei liberalisering av regelverket gjennom dei forskriftsendringane som er gjorde i denne perioden. Eg tok ordet fordi Framstegspartiet – det var vel Bredvold – lurte på om Senterpartiet og Arbeidarpartiet kunne vere med på den såkalla kan seie at for Arbeidarpartiet sitt vedkomande ser vi fram til å få ei endeleg avklaring på det som måtte vere uavklart. For Arbeidarpartiet er det – som det har vore peikt på av mange – ei balansering mellom det å ta vare på moglegheita til eit friluftsliv i fred og ro flora og fauna og ikkje minst ta omsyn til naturen når det gjeld køyretøy på barmark. Eg har ei forhistorie der. Eg har vore veldig til friluftsmann, men eg har òg samtidig køyrt mykje snøscooter, fordi eg har jobba mange år på ein leirskule inne på fjellet og

er absolutt med på å vise til det forsøket som har vore gjort, og som evalueringa viser har vore veldig bra. Her har altså kommunane – stort sett, trur eg – vore seg sitt ansvar bevisst. Som det har vore peikt på tidlegare, har ein kanskje praktisert det på ein litt ulik måte, for dei har ulike behov. Men den store konklusjonen er at dette faktisk har forhindra meir ulovleg køyring. har ein fått ein meir kontrollert motorferdsel i utmarka stort sett over det heile. Så mitt utgangspunkt er – og det står det jo faktisk óg i det som statsråden skriv til Stortinget – at det er eit av dei viktige grunnlaga for å kome attende med ei sak om dette, i alle fall ei endring av regelverket som det måtte vere behov
Det er alltid litt utfordrande når ein har elleve mandat i Stortinget og blir utfordra av politiske motstandarar på at ein har for få som deltek i debattane. Det er slik at med få mandat har ein færre som har høve til å delta i debattane, og det trudde eg Framstegspartiet var kjent med. Om Framstegspartiet skulle ynskje fleire senterpartifolk på Stortinget, er neste sjanse ved valet i 2013. Så: Kvar har Senterpartiet vore? Jau, vi har heilt klart jobba i regjeringa med mange av dei spørsmåla som har knytt seg til motorferdsel i utmark. Faktisk er det slik at Senterpartiet har fått gode tilbakemeldingar på jobben som er som har vore eit stort tema, der ein har fått viktige avklaringar gjennom forskrift, køyring i regi av frivillige organisasjonar, det vere seg rørslehemma, eldre eller andre, som har ynskt å ha gruppeturar ut i naturen, og nødvendig køyring i regi av kommunar, som eg nemnde i mitt hovudinnlegg. Så her har det skjedd ei rekkje ting. Eg begynner å spørje meg kvar representanten Hofstad Helleland har vore, når ho seier at det ikkje har skjedd nokon ting. Det har skjedd ei rekkje avklaringar. Men så er det heilt riktig at det står att viktige avklaringar på rekreasjonskøyring. Vi er einige i at desse avklaringane må kome, og dei må kome raskt. Nå er det slik at jeg måtte springe til Her og nå, så jeg har dessverre ikke hørt statsrådens svar. Men jeg er nesten villig til å ta en blindtest på at jeg vet hva han svarte, så det skal nok gå helt fint! Det blir veldig ofte en ren snøscooterdebatt. Det kommer av at den saken ligger i loven, men det er også litt viktig å komme tilbake til at det er et viktig aspekt her, og det er det lokaldemokratiske. Jeg har som ordfører hatt gleden av å åpne Varangerhalvøya nasjonalpark i lag med statsråden. Jeg vil minne statsråden på den åpningen. Hvis den nasjonalparken skal få den verdien som vi diskuterte at den burde få, og hvis den skal bli så verdifull for Norge, for Finnmark, for Øst-Finnmark og for befolkningen rundt og i nasjonalparken, er det viktig at hvis den skal bli så verdifull for Norge, for Finnmark, for Øst-Finnmark og for befolkningen rundt og i nasjonalparken, er det viktig at befolkningen føler at dette er noe som er deres, dette er noe man har fått være med på å påvirke, dette er noe man har fått lov til å være med på å jobbe med. Den politikken som statsråden fører, maler gjerne det bildet når det gjelder nasjonalparkene, men i gjerning gjør man det umulig å engasjere lokalbefolkningen rundt slike prosjekter. Det er det som er det viktige lokaldemokratiske perspektivet. Det er viktig å flytte makt ned når det er soleklart at den makten kan forvaltes av de lokalpolitikerne som er til stede. Da skaper man engasjement. Da skaper man ansvarlighet. Jeg er født og oppvokst i Det er ikke lenger tilbake enn til bestefaren min – de kalte ham for reven da han fikk hjertefeil og ikke kunne ro fiske. Da måtte han forsørge familien ved å gå på jakt. Reven kalte de ham fordi han gikk ut og de aldri visste når han kom tilbake. Men han fikk mat til huset. Jeg har et veldig nært forhold til naturen der oppe. Jeg finner meg ikke i at skrivebordsfolk og byråkrater skal fortelle meg at min oppfatning av hva som er naturvern, og hva som er natur, er feil, at det er en feil holdning. handler om kjærlighet til naturen. Det handler om natur og kultur. Det handler om kjennskap. Og det handler om at lokalpolitikere er fullt ut i stand til å ta ansvar for disse tingene. Det er det som er budskapet. Måten denne saken har vært behandlet på i regjeringen, er forkastelig, for den bare kapper tampene til lokaldemokratiet. Det synes jeg ikke man skal gjøre. Da er siste inntegnede taler Snorre Serigstad Valen. vil gjøre oppmerksom på at forutsetningen for at vi fortsatte dette møtet utover den reglementsmessige tiden, var at det da var to talere igjen på
Jeg kunne bare ikke la det passere: Representanten Hofstad Helleland illustrerte nå på slutten av debatten veldig godt hvorfor man i begrenset grad bør lytte til Høyre i denne saken. Den konspiratoriske retorikken topper seg når det antydes at regjeringen trenerer en sak for treneringens skyld. Representanten har kanskje ikke fått med seg at komiteen har bedt om en rask avklaring. Det er forståelig. Men mindre forståelig er representanten Hofstad Hellelands praksis med å drive kampanje mot offentlige fagetater. I helgen kunne vi se Hofstad Helleland kreve likestillingsombudets avgang fordi ombudet, i likhet med svært mange andre, ikke begriper særlig av Høyres nylig vedtatte likestillingspolitikk. Tidligere har Høyre i sitt alternative statsbudsjett foreslått så massive kutt budsjett at det kanskje kvalifiserer til begrepet slakt. Også dét har representanten Hofstad Helleland støttet ivrig i offentlige organer. Derfor blir det kanskje mer forståelig, men ikke mindre trist når representanten Hofstad Helleland omtaler DNs anbefalinger som søppelbøtta verdig, og omtaler DNs ansatte i vendinger preget av forakt av typen: de har aldri sett en scooter på nært hold, supplert med «skrivebordsfolk»-merkelapper fra andre Høyre-representanter. Det illustrerer bare Høyres mangel på seriøse argumenter i denne saken. Avslutningsvis vil jeg bare oppfordre representanten Hofstad Helleland til å se seg selv i speilet før hun anklager ministeren for å drive desperat argumentasjon. Da er siste inntegnede taler
Takk, president! I respekt for tiden på dagen skal jeg holde et noe mer moderat innlegg enn jeg hadde intendert opprinnelig. Denne saken har to ting til felles med INON-saken, som vi diskuterte tidligere i dag. Det ene er at Børge Brende har en betydelig del av skylden for at vi er kommet dit vi er kommet. Det andre er at vi diskuterer i realiteten nok en strek på et kart. Vi diskuterer ikke hvorvidt motorferdsel i seg selv er en trussel mot naturmangfoldet. Vi diskuterer om, som det er et betydelig flertall i denne salen som mener, det er best om Stortinget og forvaltningen får bestemme hvor og når det skal kjøres De av oss som ikke bare har sittet bak et skrivebord – mange av oss gjør jo det betydelige deler av døgnet, men mange av oss har vært ute i skogen og på fjellet også – vet at i de kommunene som har lokal forvaltning i dag, kjører man kun snøscooter der miljømyndighetene lokalt og nasjonalt har sagt at det er greit å kjøre mens det dessverre er sånn at i andre deler av landet gjør man ikke det. Da kjører man snøscooter for en stor del i områder der man kanskje ikke burde ha kjørt snøscooter. Det er saken. Dette er, nok en gang, en strek på et kart, og man har ingen betydelige miljøfaglige argumenter mot å innføre lokal forvaltning. Jeg blir litt bekymret når statsråden legger til grunn at man har gjort de endringene som man nå har til hensikt å gjøre, for det man har lagt til grunn at man skal gjøre av endringer, inkluderer jo ikke lokal forvaltning. Det inkluderer ikke at man skal kunne åpne for turistløype, isfiskeløype og den type ting. Da mener jeg at man er langt unna den retorikken som har vært lagt til grunn fra en del av de rød-grønne politikerne i denne salen i de siste fire–fem årene, at man skal åpne for at kommunen selv skal bestemme hvor og når det skal kjøres snøscooter. Det man i realiteten da gjør, er å si at det er en liten adel av hytteeiere og grunneiere som til nød skal få lov til å kjøre snøscooter i deler av landet, mens folk som har lyst til å kjøre snøscooter, enten for å dra på isfiske, for å besøke rett og slett fordi de har lyst til å ta seg en tur i Vårherres frie natur, ikke skal få anledning til det. Da håper jeg at jeg var moderat nok i min framførelse. Takk, president! Da er det absolutt siste inntegnede taler, i hvert fall på formiddagsmøtet,
Jeg mener at kommunepolitikerne må kunne avgjøre om det skal åpnes for bruk av motorisert kjøretøy i kommunene. I dag er det sånn at kommunepolitikere i realiteten er fratatt muligheten til å bestemme dette. Så hørte jeg at statsråden i dag uttalte at den stille majoritet støtter hans politikk, både rovdyr- og snøscooterpolitikken, og han ser da åpenbart ikke behov for noen kursendring. Jeg synes at alle burde ha mulighet til å bruke naturen uten å måtte være redd, uten at man av frykt for rovdyr velger å flytte fra distriktene. Jeg håper og tror at det må være sånn i Norge at man kan gå ut av døra i hjemmet sitt og slippe å føle frykt for at noen skal komme og ta en. Dessverre er det sånn at store områder i Nord-Trøndelag ligger omtrent brakk som følge av den feilslåtte rovdyrpolitikken. Og da blir jeg veldig provosert over at den såkalte stille majoritet støtter dagens rovdyrpolitikk. Det er store naturområder som i dag er utilgjengelige for folk flest. Å åpne opp for at noen av disse områdene kan gjøres tilgjengelig gjennom at man kan få bruke snøscooter, vil være positivt for alle, ikke minst vil det være positivt for bl.a. funksjonshemmede, som i dag ikke kommer seg ut. Jeg ønsker at det skal være lokale myndigheter som avgjør om det skal kunne brukes snøscooter, og i hvor stor grad man kan bruke andre kjøretøyer, f.eks. beltevogner, i utmarka. Jeg ønsker en liberalisering av regelverket, men jeg ønsker ikke at man skal åpne for en ukritisk kjøring. Det oppfatter jeg heller ikke at Fremskrittspartiets forslag tar til orde for. Men man tar til orde for at kommunene selv skal forvalte dette. Ja, det gjør man nettopp fordi man tror på lokaldemokratiet, nettopp fordi det er de lokale folkevalgte som er de som er best til å ivareta dette skjønnet. I et så langstrakt land som Norge med store områder som ikke er befolket, har vi gode og mange forutsetninger for å utvikle bl.a. turisme i tilknytning til snøscooterløyper uten at det kommer i konflikt med annen turisme eller friluftsliv. Den dagen båteierne i Oslofjorden begynner å ro for å komme seg til hyttene, kan vi i distriktene ta på oss skiene og gå til hytta. Flere har ikke bedt om ordet til sakene nr. 4 og 5. Møtet blir nå hevet, og nytt møte settes kl. 18. Vi starter da med sak nr. 6. – Møtet er hevet. Etter ønske fra energi- og